Senterpartiet. Forslaget lyder: «Stortinget ber regjeringen gjennomgå forbudet mot midlertidig arbeidstillatelse til ureturnerbare asylsøkere og vurdere en differensiering av regelverket blant annet for statsløse og eldre asylsøkere.» Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslaget. Miljøpartiet De Grønne og
Vi snakkar her om arbeidsløyve til dei om er ureturnerbare, altså ikkje generelt for dei som er utan lovleg opphald i landet. Eg meiner at det finst grenser for kva som er innvandringsregulerande tiltak. Å nekta ureturnerbare asylsøkjarar å arbeida er ei slik grense. Å nekta ureturnerbare og andre utan papir helsehjelp er ei anna slik grense. Eg vil minna om at Framstegspartiet, som i dag uttalte at dei ureturnerbare har valt sin situasjon sjølv, i 2010 fremja forslag i Stortinget om at det måtte verta straffbart ved å lov å gi humanitær og helserelatert hjelp til personar med ulovleg opphald, mens Senterpartiet, SV og Kristeleg Folkeparti fremja forslag om at dei måtte få helsehjelp på lik linje med andre. I dag vert lov og forskrifter praktisert så strengt. Eg er usikker på om det er lova eller forskrifta som må endrast. Det er dette som må greiast ut. Eg vil sitera Jan Fridjof Bernt til slutt: «Spørsmålet er ganske enkelt: Er dette en regel vi kan være bekjent av? Dette er dels et spørsmål om sunn fornuft, men fremfor alt et dypt alvorlig verdivalg.». Først kan jeg si til representanten Trellevik, som får det til å høres ut som om det lønner seg å være flyktning og asylsøker: Det lønner seg ikke å miste alt og være i en slik situasjon. Og til Kristelig Folkeparti: Det er noen vonde flertall som har etablert seg etter flyktningkrisen. Beredskapshjemmelutvalget kan i sin gjennomgang fortelle – i NOU 2019:13, Når krisen inntreffer – at det ikke var behov for store endringer i lovverket for å håndtere dette. Det var behov for bedre styring fra myndighetene. Når myndighetene ikke gjorde det, responderte Stortinget – minus SV og MDG – med å bli med på den panikken og stramme inn. Og der sitter vi nå. Det er ikke bare Norge som har gjort dette. Det har også hele Europa gjort, og det resulterer i at det i en situasjon der flyktningkrisen er større enn noen gang, er stengte grenser. Det sier flertallet her seg veldig fornøyd med – at man ikke hjelper flere. I Hellas er det total krise. Det er med en humanitærsituasjon som jeg tror vi ikke kan forestille oss. Allikevel mener flertallet her at vi ikke skal avlaste Hellas med det, ei heller slutte å sende asylsøkere som har et stempel i passet, fra Norge til Hellas. De som er opptatt av internasjonale avtaler, burde være livredd for at hele noen grenseland få lov til å ta hele smellen slik man gjør nå, vil det ikke forundre meg om det rakner. Så til den saken som kanskje har fått mest oppmerksomhet i dag, nemlig de ureturnerbare. Jeg merket meg at statsråden i svar til meg ikke går inn på det han selv sier. Han sier at alle skal straffeforfølges likt. Ja, men alle straffeforfølges altså ikke. Det er veldig mange alvorlige forbrytelser i Norge som ikke straffeforfølges, og da forundrer det meg veldig at statsråden i det hele tatt velger å uttale seg i en sak som dette. Men det er en del av politiseringen av både asyl- og flyktningpolitikken, som i utgangspunktet skulle være oppfyllelsen av internasjonale konvensjoner og rettigheter som mennesker har, enten i EMK eller i FNs konvensjon om asylretten og menneskerettighetene der, eller at man skal ha en påtalemyndighet som selv håndterer dette. Jeg tror jeg har folk med meg når jeg sier at vinningsforbrytelser, vold, narkotika og økonomisk kriminalitet er langt verre og bør prioriteres høyere enn om noen gir folk en jobb sånn at de har til mat i munnen. Så en stemmeforklaring: Forslag nr. 15 skal likevel ikke tas opp til votering. Når det gjelder D II, må

og da blir forslaget lydende: «Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig komme tilbake til Stortinget med en sak om full finansiering av overføringen av fylkesveiadministrasjonen fra staten til fylkeskommunene.» Då skulle det vera registrert. Jeg er

Reell frihet har man kun når man også i ytterste konsekvens har mulighet til å bryte ut og gå. I dag finnes det ikke noen felles, faste kontaktpunkter i kommunene for dem som opplever negativ sosial kontroll, som de kan kontakte for å få hjelp. Alle i Norge skal selv kunne velge hvem de skal gifte seg med, og de skal kunne skille seg. Skilsmisse etter norsk lov skal respekteres av de ulike tros- og livssynssamfunnene. Jenter og gutter blir utsatt for alt fra mildt press til vold dersom de ikke aksepterer å gifte seg med den familien ønsker, og enkelte inngår religiøse ekteskap når barnet er under 18 år. Arbeiderpartiet vil ha en helhetlig satsing på bekjempelse av sosial kontroll, og vi setter av 15 mill. kr i vårt alternative budsjett til å styrke det frivillige arbeidet på integreringsfeltet. Noen av midlene vil vi øremerke og bl.a. gi 2 mill. kr til organisasjonen Bydelsmødre. Arbeiderpartiet mener videre det er viktig å bekjempe sosial kontroll og negative holdninger mot LHBTI+-personer. Derfor vil vi sette av 900 000 kr til organisasjonen Skeiv verden til å utvikle et program for Utover det ønsker vi at alle kommuner skal ha kontaktpersoner med flerkulturell kompetanse for å hjelpe barn og voksne som trenger støttespillere gjennom f.eks. fadderordninger, bydelsbestemødreordninger, samspill med lokale lag og foreninger og skole–hjem-samarbeid. Vi ønsker å gi jenter som ikke lever et fritt liv, livet tilbake. Da må vi sørge for et lovverk som gir politiet det handlingsrommet de trenger for å hjelpe jenter som lever under sterkt psykisk press. Videre vil vi tydeliggjøre trossamfunnenes rolle og ansvarliggjøre disse, og vi vil ha dialogtiltak mellom ulike tros- og livssynssamfunn. Religiøse trossamfunn som ikke anerkjenner skilsmisse etter norsk lov eller praktiserer religiøse domstoler, skal miste statsstøtten. Trossamfunn som ikke jobber for likestilling og integrering, må miste statsstøtten, og vi vil inngå en samfunnskontrakt som forplikter til aktivt integreringsarbeid i alle tros- og livssynssamfunn som mottar offentlig støtte.

En ting som er aldeles sikkert, er at vårt forslag om å gjennomgå dette saksfeltet og se på muligheten for en differensiering, er mye mer aktuelt enn jeg var klar over da jeg fremmet forslaget i går. Jeg er glad for at representanten Engen-Helgheim skal ha ordet etterpå, for verken statsråden eller representanten Bransdal ville svare meg på hva dette forslaget de diskuterer, egentlig handler om. Jeg hadde noen spørsmål som ikke ble besvart. Hvor mange gjelder dette? Er det snakk om 10, 100 eller 1 000? Hva slags aldersgruppe gjelder det? Skal det være krav til ID-avklaring for å få oppholdstillatelse, og er det et generelt amnesti, der alle skal få oppholdstillatelse? Skal det følge arbeidstillatelse med dette, eller er det bare at de skal få oppholdstillatelse, og så skal de fortsatt ikke få lov til å brødfø seg selv? Det ville jo være særs merkelig. Skal de få varig eller midlertidig opphold? Alle disse spørsmålene prøvde jeg å stille i replikkrunden uten å få noe svar på det. Og hva slags aldersgruppe gjelder dette? Eldre som har vært her mer enn 16 år men hvem er eldre? Er de over 40, over 60, eller hvem er det det gjelder? Og jeg stilte også spørsmålet: Når kan vi forvente å få denne saken til Stortinget? Jeg tror representanten Bransdal også har gitt en ganske tydelig bestilling på at hun vil ha en avklaring på det, så det kunne vært utrolig interessant å få svar på de Når det nå viser seg at regjeringen selv legger opp til et generelt amnesti for en stor eller liten gruppe av disse, tydeliggjør det at behovet for en gjennomgang og en differensiering er veldig påtrengende. Så jeg håper at noen, før vi er ferdige med debatten i dag, klarer å oppklare hvem dette gjelder, og hvordan dette skal gjennomføres. Jeg må si at dette etter hvert har blitt en spesiell seanse å lytte til. Representanten

Det kommer ingen igjennom. Det er den største enkeltårsaken til at det er lav innvandring til oss som ligger lengst ute på strengen. I tillegg kommer Venstre inn i salen og angriper Arbeiderpartiet for at Venstre ikke selv har ryggrad nok til å altså Kristelig Folkeparti ved representanten Bransdal ordet og nærmest instruerer sin egen justisminister fra Stortingets talerstol om at nå får han følge opp Granavolden-erklæringen. Representanten Bransdal gjør det to ganger, og i tillegg beklager representanten Bransdal – ja, hun brukte det ordet, hun beklager – at Kristelig Folkeparti ikke får lov av Høyre og Fremskrittspartiet å stemme for SVs forslag, slik som Kristelig Folkeparti egentlig vil. Det har også blitt vist til hva Kristelig Folkepartis leder har sagt i anledning saken. Kontroll, sier representanten Trellevik. Nei, denne debatten har, om noe annet, vist at det er full splid, kaos og splittelse i regjeringen. Det er bra at det i hvert fall blir én sak som blir tydeliggjort i løpet av denne kvelden. Beskrivelsen av regjeringens samarbeid fra representanten kvelden. Beskrivelsen av regjeringens samarbeid fra representanten Lauvås hørtes faktisk mest ut som å høre Arbeiderpartiet internt diskutere innvandringspolitikk. Jeg synes det er helt greit at vi har litt forskjellig syn i de forskjellige partiene i en regjering, men vi klarer faktisk å finne løsninger. Jeg kan nok ha uttalt en gang at vi ikke kan gi asyl til folk bare fordi det er dårlig vær der de kommer fra, det tror jeg er et utsagn de fleste vil stille seg bak. Men det var ikke derfor jeg gikk opp for å ta ordet. Representanten Andersen har pekt på Hellas som en stor utfordring. Hellas er en stor utfordring, og grunnen til at Hellas er en stor utfordring, er at myndighetene der har gjort en del av det SV av og til tar til orde for, nemlig ikke å følge opp returpolitikk – returnere folk med tvang, behandle asylsøknader raskt og gjennomføre de vedtakene. Det er bl.a. grunnen til at man får sånne problemer. Og så har det vært mange sterke utsagn i denne salen fra dem som har påberopt seg å ha monopol på rett menneskesyn og rett moral. Jeg synes det er rart at noen setter sin overbevisning over andres menneskesyn. Når vi har partier som SV, som mener at Kristelig Folkeparti stikker kniven i ryggen på asylsøkeren og gir falske forhåpninger: Ja, er det noen som står i første rekke og gir falske forhåpninger til grunnløse asylsøkere, er det SV, som gang på gang står på barrikadene og kjemper for grunnløse asylsøkeres muligheter for å få opphold i Norge, mens de helt bevisst vet at det vil gå ut over dem som virkelig trenger det. Jeg synes det er at vi har partier som mener at det er hjertevarmt og godt å sørge for at vi setter et system under press, og som mener at de partiene som har en helhetlig politikk – som ønsker å begrense innvandringen til Norge, for så å spare penger, som igjen kan brukes til å hjelpe langt flere av dem som trenger det mye mer, i nærområdene, der det er krig og konflikt – har et dårlig menneskesyn. der det er krig og konflikt – har et dårlig menneskesyn. De mener at man har et dårlig menneskesyn når man har en politikk som beviselig ville ha hjulpet mange flere. Istedenfor brukes enkeltpersoner i mediene for å gi dem falske forhåpninger om opphold i Norge, noe som vil føre til at flere uten beskyttelsesbehov kommer til å legge ut på alltid satt dem som egentlig trenger vår oppmerksomhet og vår hjelp, i skyggen. Det synes jeg ikke er et spesielt imponerende menneskesyn. Jeg vil kalle det dårlig politikk. Jeg skal ikke gjøre meg til dommer over andres menneskesyn, som noen i denne salen synes er veldig populært å gjøre. Nå begynner denne debatten å bli litt varm – det er

dem skal vi alltid forsvare. Vi har alltid gjort det, og vi skal alltid gjøre det i framtiden, i hvert fall så lenge Karin Andersen og jeg er politikere. Det kan jeg love Jon Engen-Helgheim, sånn at vi kan fortsette å ha denne typen debatt. Jeg vil også fortsette min oppfordring til representantene fra Arbeiderpartiet om å komme på talerstolen og forklare hvorfor de vil stemme for statsminister Erna Solbergs løsning i denne saken, og ikke for Raymond Johansen, Frode Jacobsen og Oslo Arbeiderpartis løsning. Det trenger vi en forklaring på. Det er mulig at det er det Eirik Sivertsen skal ta opp når han kommer på talerstolen nå straks. av Kristelig Folkeparti. Jeg har tatt opp at Kristelig Folkeparti og Venstre driver et dobbeltspill i saken om de ureturnerbare asylsøkerne. De støtter de ureturnerbare asylsøkerne i den offentlige debatten. De går høyt ut og støtter dem – Kjell Ingolf Ropstad gjør det, og Abid Raja gjør det. De bygger opp håp og forventninger og glede, spesielt hos de ureturnerbare asylsøkerne. Det er nettopp fordi de bare forteller halve sannheten. De forteller nemlig ikke i den offentlige debatten at de kommer til å si nei til dem i Stortinget. Det kaller jeg et dobbeltspill. Det er derfor jeg sier at Kristelig Folkepartis leder og Abid Raja, som ikke er her, bør den offentlige debatten. For i den offentlige debatten ut mot folket må de fortelle hele historien. De må fortelle at de er for de ureturnerbare asylsøkernes rettigheter, men at når de kommer til Stortinget, kommer de til å si nei til det de samtidig i mediene sier at de for. De må fortelle hele historien. Det gjør de ikke i den offentlige debatten. Det gjør ikke Kjell Ingolf Ropstad, og det gjør ikke Abid Raja. De forteller kun halve historien. Det er da jeg mener at det er et dobbeltspill, og at de må roe seg ned og være ærlige mot folket. De bygger opp en form for forakt for det vi politikere faktisk holder på med. Det synes jeg er veldig uverdig. Vi som parlamentarikere har et ansvar for at folk forstår hva vi driver med. Da kan vi ikke si én ting ute i mediene og gjøre noe helt annet inne i

en god plattform der vi har flere innstrammende tiltak, men vi har også en balanse, som gjør at de som kanskje er mest sårbare, får en løsning på sin sak når de har vært i Norge veldig lenge. Så ja, vi jobber for å få til en god løsning på dette, sammen med våre Så ja, vi jobber for å få til en god løsning på dette, sammen med våre regjeringspartnere. Jeg har lyst til å si at dette kommer til å bli en god løsning for dem det gjelder, men jeg kan ikke her og nå stå og si hvor mange det er, for det er egentlig fakta som kommer til å bli avgjørende, etter hvert som vi har fått innretningen på selve forslaget. Jeg må si at jeg reagerer lite grann på all den kritikken som Kristelig Folkeparti får her i salen,

Så er det en annen problemstilling som forstyrrer debatten, og det er begrepsbruken her. Jeg skal ikke gå inn i det og sette meg til doms over hva som er riktig begrep, men bare ta ett eksempel. Det pågår en diskusjon: Snakker vi om ureturnerbare, eller snakker vi om returnektere? Det er de samme personene vi snakker om, men perspektivet er vidt forskjellig. Det er jo ikke veldig lett å følge debatten hvis man ikke kjenner detaljene. Dette

av representanten Eide på hva Oslo Arbeiderparti mener, og hva stortingsgruppen mener. For å være høflig skal jeg svare på det, men det er nå engang sånn at det er stortingsgruppen som er representert her. Hvis vi skal være ærlige, er det en reell forskjell mellom hva SV foreslår, og hva Arbeiderpartiet mener, for slik vi oppfatter SV, etter å ha hørt dem her i dag, handler det om at alle skal få arbeidstillatelse så lenge de oppholder seg her, da skal de ha en mulighet til å forsørge seg selv. Det både Arbeiderpartiets stortingsgruppe og jeg er enig med lederen i Oslo Arbeiderparti i, er at så lenge man samarbeider fullt ut, så lenge man har avklart ID, og så lenge man ønsker å samarbeide om retur, kan vi legge til rette for det. Derfor var det viktig for oss i dag å få en forsikring fra statsråden om at det faktisk er mulig. Den fikk vi, den stoler vi på. Derfor kommer vi ikke til å stemme for forslagene fra verken SV eller Senterpartiet.

og bruken – eller den manglende bruken – av den. Vi vet at Norge får kritikk for å bryte FNs konvensjon om statsløshet, og vi er det eneste landet i Norden som verken har en definisjon på eller en prosedyre for fastsettelse av nettopp statsløshet. Kunnskaps- og integreringsministeren har i en tidligere debatt bekreftet at Norge vurderer å innføre en og gjennom det oppfylle deler av FNs konvensjon. Nå når også justis- og innvandringsministeren er til stede, ønsker Senterpartiet å etterlyse framdrift i den saken. Vi mener at i det minste å ha en definisjon på statsløshet i Norge må kunne forventes å komme på plass relativt raskt. Da er det etterlyst. Representanten Karin Andersen har hatt ordet to ganger tidligere og Andersen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Først til Arbeiderpartiet: SVs beriktigede forslag er nøyaktig det samme som Oslo Arbeiderparti vedtok. Det er det ingen forskjell på. Jeg merker meg at Arbeiderpartiet stoler på Fremskrittspartiet når det gjelder disse sakene, og det har vi skjønt i lang tid. Når det gjelder situasjonen i Hellas, er det et nærområde til konflikt. Det er dit asylsøkerne kommer. De er latt i stikken av sine europeiske naboer, inklusive Norge, de er tvunget i kne i en økonomisk krise, og Norge fortsetter å forsøke å returnere folk dit, sjøl om det nesten ikke kommer noen asylsøkere til Norge. Så de som sier at de vil hjelpe i nærområdene og ikke vil hjelpe Hellas, har troverdighet. Det er helt feil at SV mener at asylsøkere uten asylgrunn skal få bli. Nei, tvert imot står vi på menneskerettighetene, og der kommer vi til å stå som en påle. Da gjelder asylretten, og den har regjeringen radbrekket for

Representanten Karin Andersen tar helt feil når hun sier at jeg sier at jeg stoler på Fremskrittspartiet. Nei, det sa jeg ikke. Jeg sa at jeg stoler på statsråden og med det det fulle ansvar som følger av ansvarslovgivningen og Grunnloven. Det er to vidt forskjellige ting. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1. Det er en enstemmig tilråding fra

integreringsområdet skal styrkes ved å overføre oppgaver og ansvar på områder der fylkeskommunene har en rolle, særlig innenfor kompetansepolitikken. Fylkeskommunene skal i større grad bidra til at flyktninger og innvandrere kvalifiseres til å møte regionale behov for arbeidskraft. Komiteen viser til at KS har påpekt at det ikke følger med ressurser til de nye oppgavene, og vil påpeke at dette er en gjennomgående svakhet ved pågående reformer. Komiteen vil påpeke viktigheten av involvering av de ansatte ved overføring av nye oppgaver og ansatte. Så er det en feil i innstillingen som det er viktig å påpeke, under vedtaket. Der skal det stå «vedtak til midlertidig lov om ansettelser». Så det mangler noen ord der. Jeg skal ikke dra ut taletiden på dette, men bare kort kommentere at i merknadene kan det

Man kan også lese det som om det er KS’ standpunkt. Bare for ordens skyld: Regjeringspartiene mener at det er ressurser i systemet til å gjøre dette, og hvis det leses annerledes, får det stå på kontoen for inkurier. Selv om det er

Fylkeskommunene skal også veilede og følge opp kommunene i arbeidet med kvalifisering av nyankomne innvandrere. Dette er i hovedsak oppgaver som i dag ligger i IMDi, og som overføres til fylkeskommunene fra 2020. De nye fylkeskommunene blir dermed det regionale leddet i integreringspolitikken. De som i dag er ansatt i IMDi, har verdifull kompetanse. komme godt med når fylkeskommunene overtar de regionale integreringsoppgavene. Det er derfor viktig at de ansatte får mulighet til å følge oppgavene til fylkeskommunene. Stortinget har tidligere i år vedtatt lovendringer som regulerer overføring av ansatte i Statens vegvesen til fylkeskommunene. Regjeringen mener det er riktig at overføringen av ansatte fra IMDi til fylkeskommunene så langt som mulig håndteres tilsvarende som overføringen fra Statens vegvesen. Vi foreslår derfor en midlertidig lov som skal gjelde ved overføringen av regionale integreringsoppgaver fra IMDi til fylkeskommunene. Etter samarbeid med KS er det nå inngått avtaler mellom IMDi og de aller fleste fylkeskommunene. Avtalene regulerer hvilke ansatte i IMDi som har rett til å følge sine oppgaver. Den midlertidige loven gir unntak fra reglene om offentlig utlysning av stillinger og fra kvalifikasjonsprinsippet. På denne måten legger loven til rette for at avtalen som er inngått, kan gjennomføres. Jeg er glad for at Stortinget slutter seg til lovforslaget regjeringen har som sikrer at avtalen som er inngått mellom IMDi og fylkeskommunene, kan gjennomføres. Loven og avtalen vil sammen ivareta fylkeskommunenes behov for kompetanse til å utføre de regionale integreringsoppgavene og gi ansatte ved regionkontorene til IMDi mulighet til å følge oppgavene til fylkeskommunen. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2. Jeg skal være kortfattet. Det er

er en samstemmig komité som har en merknad der en ber om en vurdering av hvordan man også kan sikre at andre tolker enn bare talespråktolker registreres, slik at ressursene kan brukes på en effektiv og hensiktsmessig måte av flere. Det regner jeg med at statsråden merker seg og følger opp på en hensiktsmessig måte. Ja, det er

samordnes, slik at man ikke skal behøve å ha ulike ordninger for ulike systemer, og at det er ett sted det går an å henvende seg til. Da spiller det ingen rolle om dette er hjemlet her eller der. Man skal ha oversikt over tolkene og en mulighet til å finne dem, og de skal være lett tilgjengelige. Det er store mangler på tolkeområdet, ikke bare når det gjelder utlendingsforvaltningen og offentlig sektors behov for tolk i ulike situasjoner, men også for dem som trenger tolkehjelp fordi de er hørselshemmet eller hørseltap. Det er mange henvendelser om at dette ikke fungerer godt nok i dag. Vi mener det vil være veldig hensiktsmessig å ordne dette nå når man har satt i gang på det ene området, og ikke minst det som digitaliseringsministeren var her i dag og sa, at vi skal ha en offentlig sektor som fungerer strømløst og godt seg imellom, og som de ulike brukerne ikke skal behøve å lete seg fram til for ulike ordninger. Derfor tar jeg opp SVs forslag i saken. Representanten Karin Andersen har tatt opp det forslaget hun refererte til. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3. Etter ønske fra arbeids- og sosialkomiteen vil sakene nr. 4 og 5 bli behandlet under ett.

Videre vil det – innenfor den fordelte taletid – bli gitt anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra partienes hovedtalspersoner og fem replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen. Videre vil de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, få en taletid på inntil 3 minutter.

enten det er hva slags arbeidsliv vi har, hvordan vi fanger opp dem som faller utenfor arbeidslivet og ikke kan jobbe, eller hva slags pensjon man har for folk som etter et langt yrkesliv helt velfortjent skal leve av sin pensjon. Derfor har komiteen også flere saker til behandling nå – både budsjettet og, ikke minst, Meld. St. 4 for 2019–2020, om regulering av pensjoner og pensjonisters inntektsforhold.

Vi har et arbeidsmarked der arbeidsledigheten er rekordlav, og der sysselsettingen øker. Men vi har også et system der feil blir oppdaget og rettet, noe den siste tidens skandale har vist. Feilen ble oppdaget at det offentlige selv, og de gikk åpent ut med det. Det er en styrke for demokratiet og viser også styrken i systemet. Men jeg tror ikke folk nødvendigvis biter på mye av den argumentasjonen vi kommer til å få høre i løpet av debatten i dag. Jeg registrerer at deler av opposisjonen allerede har vært ute i media og bl.a. ment at med det budsjettet man vedtar i dag, raseres velferden, og man bygger systematisk ned velferden. Under det siste året med rød-grønn regjering ble det brukt på velferdstiltak gjennom folketrygden. Med dagens budsjett, som Fremskrittspartiet og regjeringen vedtar, legges det opp til å bruke 440 mrd. kr på velferd gjennom folketrygden, altså en økning fra 370 mrd. kr til 440 mrd. kr. Det viser at denne regjeringen har styrket velferden i Norge.

på. Da blir det feil å kalle det nedbygging og rasering. Tvert imot – denne regjeringen trygger velferden. Vi styrker velferden, men vi sørger også for at velferdssystemet i størst mulig grad er tilpasset det samfunnet vi lever i nå i år. For fremtiden vedtas ikke, fremtiden skapes. Skal vi fortsatt ha penger til å sikre fremtidens velferdsytelser, må verdiene skapes. Det er næringslivet som skaper verdier, og vår jobb som politikere er å legge til rette for næringslivet. Det kan gjøres, som denne regjeringen har gjort på mange felt, ved å redusere skattene, redusere byråkratiet og bygge veier og andre transportårer, slik at næringslivet får fraktet varene sine rundt og ansatte enkelt og greit skal kunne komme seg til og fra jobb. Men ikke minst handler det også om at denne regjeringen har modernisert arbeidsmiljøloven, selve rammeverket, sørget for at vi er krystallklare på at vi ikke aksepterer dårlig behandling av ansatte. Det skal være ryddige og gode forhold i arbeidslivet, men det må også være fleksibilitet, noe både næringslivet, bedriftene og ikke minst de ansatte etterspør. Vi ser også resultatene av moderniseringen av arbeidsmiljøloven. Vi ser gode resultater, får gode tilbakemeldinger. Altså har den skremselspropagandaen som har kommet nå de senere årene, vist seg å slå feil. men da skal vi rette inn støtet mot de utfordringene. Vi som er så privilegerte og kan være med og bestemme hvordan velferden skal være i årene fremover, må også hedre dem som har gitt oss denne muligheten, de som har skapt disse verdiene, altså dagens pensjonister. Dagens pensjonister er de som var med på å bygge det flotte landet vi har arvet. De fortjener en anstendig og god pensjon. Det var også derfor Fremskrittspartiet som eneste parti stemte imot pensjonsreformen, hovedsakelig på grunn av at vi er motstandere av en underregulering av landets pensjonister. Vi mener at pensjonistene bør få samme kjøpekraftsutvikling som alle andre, ikke ikke med en underregulering, og heller ikke med Arbeiderpartiets nye form for underregulering. Men dette er noe som Fremskrittspartiet ikke har fått flertall for å endre, dessverre. Jeg er derfor glad for – noe den stortingsmeldingen vi har til behandling i dag, også viser tydelig – at alle grupper pensjonister har det bedre økonomisk i dag enn de hadde før Fremskrittspartiet kom i regjering. Det er fordi Fremskrittspartiet sammen med de resterende regjeringspartiene har sørget for å redusere skattebyrden for landets pensjonister, sørget for å løfte enslige minstepensjonister og sørget for å redusere den usosiale avkortingen gifte og samboende pensjonister har. Men Fremskrittspartiet er ikke fornøyd. Vi kommer til å fortsette frem til man får avskaffet både underreguleringen og avkortingen. Et annet viktig moment i en debatt som omhandler så mange viktige velferdsytelser finansiert av fellesskapet gjennom skatter, er at ytelsene har legitimitet. Jeg tror at er det én viktig verdi vi har i Norge, så er det likebehandling. Men når vi ser på folketrygden, så er det likebehandling. Men når vi ser på folketrygden, har flyktninger hatt flere særrettigheter i folketrygden. Fremskrittspartiet har alltid vært imot det. Vi mener vi skal ha ett sett regler som skal gjelde alle. Man må gjerne ha regler som åpner for individuell tilpasning og ser det enkelte individ, men vi skal ikke ha regler som baserer seg på grupper, og det er derfor vi alltid har vært imot at Jeg er derfor glad for at med den innstillingen vi behandler her i dag, avskaffer vi de særfordelene flyktningene har hatt i folketrygden. At Sosialistisk Venstreparti er imot det, overrasker ikke, men jeg må si jeg undres over at Arbeiderpartiet og Senterpartiet legger seg på en linje der flyktninger skal ha bedre opptjeningsrettigheter f.eks. i folketrygden enn øvrig befolkning. Det synes jeg er underlig og trist, men heldigvis tilhører de mindretallet. Flertallet i dag retter opp i den uretten. Det er men heldigvis tilhører de mindretallet. Flertallet i dag retter opp i den uretten. Det er lett å forstå at debatten vil handle om konkrete ytelser. Det er viktig, for vi skal ha gode ytelser som fanger opp dem som faller utenfor. Men vi må heller ikke glemme alle de hverdagsheltene som hver dag går på jobb. Mange av dem går til dårlig betalte jobber, men de står opp om «morran», går på jobb

så bra budsjett. Det løser ikke alle utfordringer, alle de fire partiene har både vunnet og tapt, men Norge går i riktig retning. Tallene viser det, resultatene viser det. Flere kan leve av egen inntekt, det er en viktig og god parameter, og ikke minst har landets pensjonister bedre økonomi i dag enn før Fremskrittspartiet kom i regjering. regjering. Det blir replikkordskifte. Løftet for pensjonistene som representanten Wiborg avsluttet med, tror jeg det er få av pensjonistene som har lagt merke til. Tvert imot hører vi at pensjonistene føler seg sviktet av et Fremskrittsparti som glemte dem idet de gikk inn i regjering. Men det jeg skulle spørre om, gjelder endringene regjeringen nå gjennomfører når det gjelder botidskravet for flyktninger. Nå har Fremskrittspartiet og regjeringen invitert 9 000 kvoteflyktninger til Norge. Det er jeg for så vidt glad for, men det jeg ikke er glad for, og det Arbeiderpartiet er kritisk til, er at regjeringen velter kostnader over på kommuner som allerede har en presset økonomi. For resultatet av politikken, nemlig økt botidskrav og kutt i statlige ordninger for flyktninger, noe som vil tvinge flere over på sosialhjelp, vil være at kommunene må kutte i kommunale tjenester som skole, barnehage og eldrehjem på grunn av regjeringens politikk. Er Fremskrittspartiet stolt av å gjennomføre en politikk som vil presse flere over på sosialhjelp og redusere kommunale
ha sittet relativt lenge på Stortinget med relativt god lønn for å mene at 8 000 kr mer i pensjon på grunn av at vi reduserte avkortingen for gifte og samboende, ikke merkes og er småpenger. Det synes jeg vitner om en manglende forståelse for hverdagen til landets pensjonister. pensjonister. Jeg mener det er riktig at landets pensjonister ikke skal straffes på grunn av at de er gifte eller samboende, som representanten Grande og Arbeiderpartiet mener. Og ja, jeg er stolt av at vi totalt sett har klart å få ned innvandringen til Norge. Jeg er også glad for at vi har en regjering som våger å stille krav til dem som kommer, også krav om at man må ha bodd i Norge noen år før man har rett til visse ytelser. Alternativet er ikke automatisk sosialhjelp, som representanten Grande tydeligvis tror. Alternativet kan for veldig mange være å hjelpe folk ut i jobb gjennom å stille krav. Det er trist at Arbeiderpartiet ikke står for det Politikken til regjeringen fører til økte forskjeller for pensjonistene. At underreguleringen fortsetter – når Arbeiderpartiet prøver å rette opp den feilen og sørge for at pensjonistene ikke taper i år hvor det ellers er lønnsutvikling og økt kjøpekraft i befolkningen – er for meg en gåte. De grepene regjeringen gjennomfører når det gjelder økt botidskrav, vil støte flere over på sosialhjelp. Det har vi sett har vært konsekvensen av regjeringens politikk på flere områder: Flere havner på sosialhjelp. Regningen for regjeringens manglende innsats veltes over på kommunene. Hvor skal kommunene kutte når de ikke får den statlige overføringen som kreves av de kuttene som regjeringen gjennomfører? Det er to spørsmål. Først pensjonsbiten: Det er underlig å stå i denne

viser at han har veldig liten tro på dem som faktisk kommer til Norge. Jeg har tro på at veldig mange innvandrere, flyktninger og andre som kommer til Norge, skal kunne klare å integrere seg i samfunnet og komme seg ut i jobb. Det virker som om representanten Grande nesten automatisk vil gi opp folk og tror at de må over på forskjellige offentlige ytelser med en gang. Nei, med god integrering, der vi stiller krav, kan vi også klare å hjelpe flere innvandrere ut i jobb. Senterpartiet har aldri beskyldt regjeringa for å rasere velferden eller for å komme med skremselspropaganda. Det som er

for personer under 25 år. En avvikler uføretillegget for nye brukere for alle mottakere av arbeidsavklaringspenger uavhengig av alder. En øker botidskravet for flyktninger, som ikke har hatt noen sjanse til å opptjene rettigheter i de landene de flykter fra. Mine enkle spørsmål er følgende to: Er konsekvensene av regjeringas forslag at flere vil måtte be om sosialstøtte? forskjeller? Konsekvensen av regjeringens budsjett og den politikken som føres, er at man hjelper flere ut i jobb. Det viser også resultatet. Vi ser at arbeidsledigheten faller. Vi ser at sysselsettingsgraden øker. Vi ser at utgiftene til velferdstiltak gjennom folketrygden har økt fra 370 til 440 mrd. kr. Da er ord om at alt er rasering, eller at det er skammelige kutt osv., påstander jeg ikke er enig i. Men ja, vi foretar justering i velferdsytelser når det er riktig og behov for det. Den hjelpen og de ytelsene man hadde for 30–40 år siden, var riktig da, men i dag kan systemet være annerledes, det kan være at behovene er annerledes, og at det er andre virkemidler som må til for å hjelpe den enkelte. Verden står ikke stille, som representanten Lundteigen ser ut til å tro. Det er snart jul, og

Kutt i barnetillegget som vart innført frå 2015, rammer fleire enn tidlegare berekna. Det gjer at regjeringa sparar meir pengar. Regjeringa sparar no 89 mill. kr på dette kuttet. Det er nær dobbelt så mykje som føresett då innstramminga kom. Mens regjeringa i 2015 anslo at det ville gjelda 1 400 personar, viser oppdaterte tal no at det gjeld 1 900 personar. Meiner representanten Wiborg at dette kuttet, som rammer dei som ikkje kan jobba, vil få fleire i jobb, eller kva er eigentleg motivet bak dette kuttet? Jeg mener dette var en riktig begrensning. Vi har sagt at man ikke kan få mer enn 99 pst. av tidligere lønn i uføretrygd med barnetillegg. Det synes jeg er helt rett og rimelig. I motsetning til representanten Lerbrekk synes jeg det er galt at noen skal kunne få mer i forskjellige ytelser enn det de fikk da de jobbet. Det skader arbeidslinjen, som tidligere et relativt bredt flertall i denne sal har stått bak. Det jeg lurer på, er: Hvor er representanten Lerbrekk og Sosialistisk Venstrepartis omtanke overfor alle arbeidstakerne i Norge som faktisk står opp og drar på jobb hver eneste dag og er med på å finansiere dette, hvis de ser at andre kan få mer i forskjellige ytelser enn de som jobber? Det er ikke rettferdig, og derfor synes jeg dette er riktig. Replikkordskiftet er omme. Arbeiderpartiets alternative budsjett er meislet ut etter tre helt klare mål: Vi omme. Arbeiderpartiets alternative budsjett er meislet ut etter tre helt klare mål: Vi skal kutte klimagassutslippene, samtidig som vi skaper nye jobber. Vi skal redusere de økonomiske forskjellene og styrke lommeboka til folk flest. Vi skal sikre og videreutvikle velferdsstaten i by og land. For Arbeiderpartiet er det helt grunnleggende at velferden sikres ved at folk er i arbeid. Gjennom å få flere i arbeid sikrer vi at flere får tatt sine evner i bruk, at de får en lønn til å forsørge seg, og at de bidrar til spleiselaget velferdsstaten Norge er. Men det å skaffe seg arbeid er ikke et ansvar som kan hvile på hver enkelt innbygger i Norge. Derfor har vi aldri latt noen stå alene i møte med utfordringer i Norge. Vi bygde opp fellesskolen, slik at alle vi lagde et helsevesen som sikret at alle får hjelp hvis de faller utenfor, og vi tar vare på de gamle i samfunnet vårt når de ikke kan gjøre det selv – vi tar ansvar for hverandre og bærer ansvaret for samfunnet i fellesskap. Vi må sikre at alle kan bli med i samfunnet vårt. Det er vår ledestjerne når vi lager budsjett, og når vi foreslår hvordan vi skal utvikle landet vårt.

Og mens regjeringen har kuttet skattene til dem som har aller mest, og har økt den økonomiske ulikheten i Norge, har mange flere fått en vanskeligere hverdag. Avgiftene har økt, skattefradraget har blitt mindre, lønnsveksten har vært nær null, og mange har opplevd reallønnsnedgang – og hverdagen

og arbeidsgivere har man sikret at det beste for landet, for bedriften og for den enkelte arbeidstaker har blitt ivaretatt. Nå går organisasjonsgraden ned. Og når regjeringens svar på dette er å oppheve Stortingets vedtak om å finne tiltak for å øke organisasjonsgraden, ja da abdiserer regjeringen i trepartssamarbeidet. For regjeringen er det viktigste å anerkjenne det uorganiserte arbeidslivet. For Arbeiderpartiet er det det motsatte. Det viktigste er å anerkjenne hva det organiserte arbeidslivet har betydd for utviklingen i Norge: at det har sikret høy sysselsetting, få konflikter og utviklingen av velferdssamfunnet Norge. Derfor foreslår Arbeiderpartiet å doble fagforeningsfradraget for alle, som ett av flere tiltak for å styrke organisasjonsgraden. I forrige uke fikk vi et innblikk i en verden vi ikke kjenner så godt. TV 2s nye dokumentarserie «Norge bak fasaden» har vært med a-krimsenteret i Oslo på aksjoner. Der fikk vi se en brakkerigg med 400 rom i Groruddalen. Hver beboer betalte over 5 000 kr for å få tak over hodet – 2 mill. kr rett i lomma på utleierne. Senere besøkte de et bygg regulert for lagring av kål, men det var ikke kål i bygget – det var tydelig at det var mennesker som bodde og oppholdt seg på den adressen. Felles for alle beboerne var at de var mennesker som For dem som lever av å kontrollere dette arbeidslivet, var det ingen overraskelse det TV 2 fant i disse oppbevaringsplassene for mennesker. For dem er slike avsløringer regelen, ikke unntaket. Det forplikter oss. Vi kan ikke sitte stille og se på at vi ikke får og vi må erkjenne at det ikke er gjort nok. Et steg på veien ville ha vært å øke bevilgningen til Arbeidstilsynet, sånn at de kunne ha gjennomført flere tilsyn. Det som har skjedd, er at det er blitt 4 500 færre tilsyn på fire år. Svaret er mer kontroll, styrket oppfølging og strengere sanksjoner. Men det blir mindre politikk som kommer vanlige folk til gode når regjeringens eget ideologiske og dogmatiske kuttprosjekt ABE-reformen blir viktigere enn hverdagen til mennesker som bor og jobber i Norge. I Arbeiderpartiet foreslår vi i vårt alternative statsbudsjett en satsing på kampen mot arbeidslivskriminalitet. Vi styrker de instanser som kan ta kjeltringene som utnytter vanlige arbeidsfolk. Vi vil øke antall kontroller av norske arbeidsplasser, og vi vil slå hardere ned på brudd på arbeidsmiljøloven. For oss er ikke denne kampen ferdig før ingen blir utnyttet i det

For vi er ikke enig med regjeringen i at vanlige folk blir motivert av å få mindre, mens de som har mest, motiveres av å få mer. Vi tror at oppfølging, hjelp og kompetanse er det som skal til for å få alle ut i arbeid. Vi berøres alle av det som tegner til å bli den største skandalen i den Mange har urettmessig blitt dømt i trygderetten fordi loven er blitt tolket feil. Vi hører historier om ansatte i Nav som er bundet på hender og føtter fordi de mangler tid og rom til å finne fornuftige løsninger for brukerne. En av de tillitsvalgte i Nav har beskrevet jobben sin i Nav på følgende måte: «Jeg har gått fra fagperson til produksjonsarbeider. Det er viktigst å foreta flest mulig vedtak. Det skal være 8,5 vedtak per dag. I møtene presenteres tall, ikke fag.» Vi kan ikke ha et system som skal møte mennesker i noen av livets vanskeligste situasjoner, hvor fokuset er å produsere tall, ikke løsninger. Vi kan ikke ha en tjeneste som gjør det vanskeligere for mennesker i utsatte situasjoner. Systemet kan aldri bli viktigere enn enkeltmenneskene. Vi skal bygge et system som tar vare på de enkeltpersonene som trenger hjelp i Nav-systemet. Derfor har vi foreslått det vi trenger, en tillitsreform i offentlig sektor, der vi legger bort tankene bak New Public Management, Management, heiser opp faget og lar de ansatte få være fagpersoner for å ta vare på dem som trenger hjelp og støtte i vårt velferdssamfunn. Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett ville bety at flere mennesker kommer ut i arbeid, sikre at flere av dem som trenger hjelp i vanskelige situasjoner, får det, og gi folk flest en bedre hverdag. så håper jeg det legges til rette for at vi kan stemme for de romertallsvedtakene som ikke påvirker størrelsen på rammen, sånn at vi kan få gitt uttrykk for det som er den politiske viljen i denne salen, og at vi ikke blir stoppet av noen byråkratiske regler som kom for noen timer

Disse skal selvsagt sikres økonomisk trygghet, det er velferdsstaten på sitt beste. Men det finnes svært mange som er tjent med arbeidsevneavklaring eller tiltak med sikte på nettopp inkludering i ordinært arbeidsliv selv om de har spesielle behov. Høyre deler Arbeiderpartiets uttalte bekymring om stadig flere unge på uføretrygd. Derfor synes vi det er litt spesielt at Arbeiderpartiet vil at unge med utviklingshemning eller spesielle behov automatisk skal innvilges uføretrygd gjennom en sømløs overgang fra videregående skole til varig tilrettelagt arbeid uten at andre tiltak er vurdert. Det blir jo ikke færre unge på uføretrygd av det.

men vi har foretatt fornuftige og riktige justeringer, som riktignok er mer moderate enn det Arbeiderpartiets nestleder selv foreslo. Hovedspørsmålet mitt til representanten går på særfordeler for flyktninger. For representanten Rigmor Aasrud og Arbeiderpartiet ønsker jo at flyktninger skal ha bedre ordninger enn nordmenn, at en nordmann som kanskje har jobbet fem–seks år i utlandet, som kommer hjem igjen og så utsettes for ordninger enn en flyktning. Hvor er rettferdigheten i det? Hvorfor er Arbeiderpartiet imot at vi skal ha ett sett regler, som likebehandler alle i Norge? Det skyldes at vi ser litt forskjellig på mennesker. Hvis du som nordmann har vært bosatt i utlandet, har du tjent opp pensjonsrettigheter der du er. En flyktning – og nå har jeg akkurat registrert at regjeringen vil hente 600 stykker fra – kommer uten noe i bagasjen. De har ikke med seg noe pensjonsbevis og trenger å få en anstendig økonomi når de kommer til Norge. Det synes jeg også regjeringspartiene burde tenke på. Og botidskravet som nå blir endret, gjør at folk bare blir stående enda lenger utenfor arbeidslivet. Man kommer hit til Norge uten noen ballast og skal gå i fem år før man kan komme inn på ordningen med arbeidsavklaringspenger, som er en viktig vei – i hvert fall ifølge det som er arbeidsavklaringspengenes intensjon – for å komme inn i arbeidslivet. Dit skal man ikke få lov til å komme før etter fem år. Det gir ingen mening i å holde folk så lenge utenfor muligheten til å få eget

Det viktigste formålet var at arbeidsfolk ikke skulle stå med lua i handa; kapitalkreftene måtte styres. Senterpartiet arbeider for å erstatte ukontrollert arbeidsinnvandring med kontrollert arbeidsinnvandring, altså å styre kapitalkreftene strengere for å sikre et velorganisert arbeidsliv for alle. Det som er mitt spørsmål, er: Hvordan vil Arbeiderpartiet nå styre arbeidsmarkedet strengere i stort arbeidsinnvandring, altså å styre kapitalkreftene strengere for å sikre et velorganisert arbeidsliv for alle. Det som er mitt spørsmål, er: Hvordan vil Arbeiderpartiet nå styre arbeidsmarkedet strengere i stort for å sikre et velorganisert arbeidsliv som gir trygghet for familielivet? Vi er enige om at det er viktig at vi har et velorganisert arbeidsliv i Norge. Derfor har vi hatt behov for å gjøre tiltak mot de arbeidsgiverne som utnytter den med oss på: å jobbe for at de som bryter lovverket, de som utnytter folk, ikke får lov til å fortsette den virksomheten de driver med. Derfor er vi nødt til å få på plass flere arbeidslivssentre, arbeidskrimsentre, som sørger for å ta ut de arbeidsgiverne som gjør ting som de ikke burde gjøre. gjøre. Det tror jeg er viktig framover. At vi har en utveksling av arbeidskraft mellom Norge og utlandet, tror jeg er riktig. Vi har nytt godt av det i de tidene da vi har hatt mangel på arbeidskraft i Norge. Det kommer vi til å fortsette med, men da må vi sørge for at de som kommer til Norge, får de lønns- og arbeidsvilkårene som de skal ha. Det er den viktigste oppgaven i tiden framover.

Førsteprioriteten er selvsagt å rette opp i uretten disse har vært utsatt for, og tilbakebetalingene til dem det gjelder, er allerede i gang. Nav har satt i gang et omfattende arbeid for å gå gjennom alle saker tilbake til 2012 for å finne ut hvor det kan ha skjedd feil, hvem som har rett til kompensasjon, og følge opp de som har fått For at ikke denne ekstrainnsatsen skal få konsekvenser for den ordinære driften i arbeids- og velferdsetaten, foreslås det å øke bevilgningene både til arbeids- og velferdsetaten og til Trygderetten. Utbetaling av tapt stønad vil skje fortløpende, og merutgifter i 2020 vil håndteres i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Jeg må her også presisere noe jeg tror er en inkurie. Under kapittelet om Trygderetten står det i innstillingen at budsjettet økes ytterligere med 2,4 mill. kr i 2020, men dette er allerede inne i Prop. 1 S for 2019–2020, og er ikke en del av den tilleggsproposisjonen. Det er et godt konservativt mål at vi etterlater oss et bedre samfunn til dem som kommer etter oss. Vi har en forpliktelse til å forandre for å bevare – viktige verdier som binder oss sammen som individer, familier og som samfunn. Her ligger også ønsket om å sikre velferdsstatens bærekraft, slik at ikke alt vi har oppnådd som samfunn gjennom flere generasjoner, kun kommer én generasjon til gode. Vi vet at unge i dag må jobbe mer og stå lenger i arbeid for å få de samme pensjonsrettighetene som vi har. Allerede i perspektivmeldingen fra 2013 slo Arbeiderpartiets finansminister Sigbjørn Johnsen fast at dersom vi viderefører dagens arbeidsmønster og velferdsordninger, må vi øke inntektene eller kutte i utgifter fordi det over tid kan oppstå et betydelig behov for inndekning i offentlige budsjetter. De neste ti årene vil inntektene fra oljenæringen gå ned, samtidig som antall eldre utenfor arbeidslivet går opp. Den største skillelinjen i norsk politikk står nå mellom de partiene som vil utvide og uthule dagens ytelser og ordninger, uansett hvordan de virker, og hvilken begrunnelse de har, og de partiene som tar ansvar for å gjøre nødvendige endringer for at både nåværende og framtidige generasjoner skal få den velferden de har krav på. Den beste måten å hegne om velferdsstaten på er å justere, endre eller fjerne ytelser og ordninger når det viser seg at disse enten ikke fungerer etter intensjonen, over tid har blitt erstattet av andre ytelser eller tjenester, eller har mistet sin funksjon. Dette øker velferdsstatens evne til å ta vare på dem som trenger det mest. Det er usosialt å opprettholde eller utvide ordninger som ikke fungerer eller ikke lenger er relevante, da dette ikke bare svekker velferdsstatens økonomiske fundament, men svekker også kvaliteten og innholdet på den hjelpen velferdsstaten er ment å gi.

Så da Arbeiderpartiet valgte deltid som en av sine valgkampsaker, gikk det litt automatikk for min egen del i å slå tilbake med at under denne regjeringen går andelen i deltid ned – for det gjør den – og at det særlig gjelder unge kvinner med barn. Det er gledelig. Men selv om andelen deltid har gått ned fra 42 til 37 pst. under dagens regjering, hjelper det lite for den sykepleieren som står fast i ufrivillig deltid, særlig når Høyre er tydelig på at faste, hele stillinger skal være hovedregelen i arbeidslivet. Derfor ble jeg nysgjerrig da jeg så et innslag på TV 2 der Arbeiderpartiets nestledere besøkte sykehjem i Arendal. Der fikk de til flere hele, faste ansettelser fordi de brukte muligheten for 12,5 timers langvakter, som gjorde at turnusen gikk opp. Men dette måtte tidligere godkjennes av fagforeningene sentralt, hvor mange fikk nei. Med endringene regjeringen gjorde i arbeidsmiljøloven i 2015, som Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet stemte imot, er det nå enklere å få til avtaler lokalt og at flere får tilbud om heltid. Målet er et godt organisert og familievennlig arbeidsliv. Det får vi når vi åpner for fleksible løsninger og har tillit til partene lokalt. Det får vi med denne Et godt og konstruktivt trepartssamarbeid er en forutsetning for det grønne skiftet og omstillingene Norge skal gjennom framover. Det grønne skiftet vil ikke skje uten at alle er med. Norsk industri og fagarbeidere sitter på omstillingsnøkkelen, og sammen skal vi finne en måte å vri den på, slik at vi åpner døren for nye muligheter for alle. Da trenger vi både en robust velferdsstat som kan dempe konsekvensene av plutselige endringer på kort sikt, og en kompetansereform som ruster opp hele Norge, så vi kan realisere de mulighetene omstillingene vil gi, på lang sikt. Det har blitt enklere å kombinere å ta fagbrev med jobb. Vi har styrket Kompetansepluss for arbeidstakere, gjort det lettere for voksne å få støtte til utdanning gjennom Lånekassen, for å nevne noe. Sammen med partene i arbeidslivet kommer det nå bransjeprogram for utsatte bransjer, der regjeringen prioriterer opplæring og videreutdanning til lavt utdannede og fagarbeidere innen kommunal omsorgssektor og for industri- og byggenæringen i første omgang. Vi setter ikke av penger i fond når vi kan spisse og øke innsatsen i kompetansereformen Lære hele livet i samarbeid med partene, slik at ingen går ut på dato og flere kan stå i jobb lenger.

Det er bra, men kan sikkert bli bedre. Markedsøkonomiens beste vern er anstendige lønns- og arbeidsbetingelser, både nasjonalt og gjennom EØS-avtalen, og å slå hardt ned på og aktivt bekjempe arbeidslivskriminalitet. Likevel må vi huske at vi i jakten på de useriøse ikke samtidig gjør det vanskeligere å være seriøs. For strenge innleieregler, reversering av endringer i arbeidsmiljøloven fra 2015 og heving av avtalenivået på arbeidsplassen er et uttrykk for mistillit i et hovedsakelig ryddig og godt organisert arbeidsliv, der ni av ti trives på jobb. For å være helt ærlig tror jeg ikke at norsk næringsliv er redde nok for et rød-grønt alternativ med Rødt som premissgiver. Høyere skatter og avgifter vil gjøre det dyrere å skape de arbeidsplassene vi trenger for å få et inkluderende og rettferdig grønt skifte. Strengere reguleringer vil kvele vekst, og den oppryddingsaksjonen Arbeiderpartiet har varslet, eller truet med, vil kunne rote det til i ryddige næringer som blir berørt når alle skal straffes for det noen få gjør. Når vi snakker om inkludering i arbeidslivet, så må det jo finnes et arbeidsliv å inkluderes i. Å sikre et bærekraftig velferdssamfunn er et kontinuerlig arbeid. Vi gjennomfører pensjonsreformen, slik at flere kan stå lenger i jobb. Vi gjennomfører et løft i skolen og arbeidsmarkedet, slik at elever lærer mer, færre faller fra, og for at ingen skal oppleve at de går ut på dato. Vi gjennomfører en inkluderingsdugnad, som gjør at flere blir inkludert i arbeidsmarkedet. Ledigheten går ned, og sysselsettingen går opp, og vi skal bruke de gode tidene på å inkludere flere. Vi tilrettelegger slik at alle kan bidra med det de kan. Norge er et rikt land, men vi er aldri så rike at vi har råd til å sløse med folks evner og kompetanse. Selv om mye går godt, er det mye ugjort og mye som kan gjøres bedre. Vi skal hele tiden tette hull som folk snubler i, senke terskler for deltakelse og løfte opp dem som trenger det. Det blir replikkordskifte. Det er et uttrykk som sier: Vis meg dine venner, og jeg skal si deg hvem du er.

Det er blitt dyrere å pendle, det er blitt dyrere barnehager, og det blir kutt i brillestøtte – for å nevne noe. Dette er ikke bare urettferdig, det er direkte smålig. Arbeiderpartiet ønsker et samfunn med mindre forskjeller, der de med sterkest rygg tar den tyngste børen, og der vi støtter opp om familien. Er representanten Heidi Nordby Lunde glad for at forskjellene i Norge øker?

Vi mener at det er mer sosialt å likebehandle syke med samme behov enn å forfordele noen grupper, slik Arbeiderpartiet åpenbart vil. Og vi gjør dette samtidig som flere får helsebehandling raskere, helsekøene går ned, skattenivået likeså, barnetrygden har økt, og vi har innført gratis kjernetid i barnehagene. Så det er åpenbart ingen motsetning mellom skattelette og velferd, slik Arbeiderpartiet tror – men det ble det jo da Arbeiderpartiet styrte.
Neste og siste replikant er

og det er noe som er en viktig, viktig verdi å ta vare på. Vi må altså se til at velferdsytelsene fungerer bra, og at vi kan prioritere de svakeste. Regjeringa forestår innstramminger som er i motsetning til dette. De reduserer minsteytelsen på arbeidsavklaringspenger med 70 000 kr for nye personer under 25 år, avvikler ung ufør-tillegget og øker botidskravet i folketrygden for flyktninger. Regjeringa sier at dette vil føre til at det blir flere på sosialstøtte – sosialstøtte betalt av kommunene. Det er det siste sikkerhetsnettet. Fremskrittspartiet var i sitt replikksvar til meg i stad ikke enig. Er Høyre enig i at For det første er jeg glad for at Senterpartiet anerkjenner behovet for å endre for å bevare den velferdsstaten og velferden vi har, men jeg er veldig lei meg for at de ikke ser behovet for å endre i arbeidsavklaringspenger, som så mange har slått fast at etter hensikten. Etter endringene i 2018 har vi nå fått faktaene på bordet. Sjekket av faktisk.no viser det seg at flere kommer ut i jobb nå enn det gjorde tidligere, og flere avklares også raskere til uføretrygd. Det er jo ikke noe poeng å holde syke folk lengst mulig inne på en midlertidig ytelse når det de skal ha og det de har krav på, er uføretrygd. Samtidig er det også flere som har gått ut i sosialhjelp og kommer til å komme ut til kommunene – som har fått styrket sine frie budsjetter, og som skal prioritere de svakeste i samfunnet. Og jeg reagerer på at man alltid begynner å snakke om kutt i ytelsene eller tjenestene til befolkningen istedenfor å prioritere på andre måter når vi snakker om kommunenes budsjett.

arbeidskraft. Det har også skjedd i stort omfang, noe som har gitt store konsekvenser også for det norske arbeidsmarkedet og det norske arbeidslivet. Østeuropeiske ungdommer, mange på korte arbeidskontrakter, gjør en god jobb, samtidig som de er villige til å arbeide for lønns- og arbeidsvilkår som er lavere enn det man trenger for å betale utgiftene når man bor i høykostlandet Norge. Fagfolk i ulike bransjer blir ulikt berørt, men stadig flere bransjer erfarer et stadig mer uorganisert arbeidsliv med omfattende sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Senest har vi Dagbladets avsløringer i dokumentaren «Fishy Business» om fiskeforedlingsbedrifter i Nord-Norge. Senterpartiet arbeider for å erstatte den ukontrollerte arbeidsinnvandringen fra EU utenom Norden med en kontrollert arbeidsinnvandring fastsatt av Stortinget. Dette er i tråd med noe av det beste i Senterpartiets og Arbeiderpartiets historiske styring av kapitalkreftene for å hindre at arbeidsfolk skal stå med lua i handa. Folkevalgte må styre arbeidsmarkedet for å sikre et velorganisert arbeidsliv med norske lønns- og arbeidsvilkår. Dagens EU står i et skårfeste når de har innført en økonomisk union med felles pengeenhet, euro, samtidig som de ikke makter å få innført en politisk union, nemlig felles sosial og økonomisk politikk innenfor EU. Dette var visjonen til EU-kommisjonens tidligere president Jacques Delors. Årsakene til at EU ikke klarer å gjennomføre denne visjonen, som i praksis innebærer å etablere Europas forente stater, er sjølsagt historiske, noe som skaper bred folkelig motkraft. Inne i EU er det ikke et felles språk for demokratisk ordskifte, sånn som Denne systemfeilen, som skaper et mer utrygt arbeidsliv, fører til økende sosial og politisk uro i flere EU-land. Arbeiderpartiets søsterpartier innen EU er i store vanskeligheter, med fallende oppslutning. For Senterpartiet er et velorganisert arbeidsliv en forutsetning for et trygt familieliv. Vi må derfor arbeide systematisk for å erstatte dagens ukontrollerte arbeidsinnvandring med kontrollert arbeidsinnvandring. Sveits er et land hvor det er bred oppslutning om kontrollert arbeidsinnvandring blant både folkevalgte, arbeidsgivere og arbeidstakere. For øvrig økes inntektsfradraget for betalt fagforeningskontingent med 10 pst. i Senterpartiets helhetlige budsjettforslag. Senterpartiet går imot norsk deltakelse i Den europeiske arbeidsmarkedsmyndigheten, ELA. Bakgrunnen er at dette er første skritt på veien til å etablere en overnasjonal arbeidsmarkedsmyndighet som vil innebære press nedover, med en svekkelse av norsk arbeidsmiljølovgivning og inngåtte tariffavtaler. Dagens ukontrollerte arbeidsinnvandring har meget store negative konsekvenser, ikke minst for ungdommer som har svak tilknytning til arbeidslivet fordi de ikke har full arbeidsevne. Det er min påstand at dagens regjering ikke har tatt inn over seg konsekvensene av dette faktum gjennom økte økonomiske bevilgninger for tilrettelegging overfor både arbeidstaker og arbeidsgiver. For at disse ungdommene skal delta i arbeidslivet med den arbeidsevnen som de kan yte, og dermed være med på å bygge et bedre Norge, kreves det en kraftig økning av f.eks. tilrettelegging for funksjonshemmede samt midlertidige og varige lønnstilskudd for personer med nedsatt arbeidsevne. Dette er områder som Senterpartiet vil måtte prioritere enda sterkere framover. Senterpartiet arbeider for å endre arbeidsmiljøloven, slik at innleie fra bemanningsforetak som i dag erstatter faste ansettelser, blir erstattet med fast ansatte i vikarbyråer som blir leid ut for å dekke vikariater, i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-9 bokstav b. Regjeringa må videre snarest komme til Stortinget med lovendringer i arbeidsmiljøloven som gir Arbeidstilsynet hjemmel til å følge opp dagens bestemmelser om bemanningsforetak – sist med endringer som tok til å gjelde fra 1. januar 2019. Senterpartiet foreslo allerede våren 2018 konkrete lovendringer for å ivareta dette, som skulle gjelde fra 1. januar 2019. Senterpartiet står fast ved disse lovendringene, noe som for øvrig er i tråd med det regjeringa nå har hatt på høring. Senterpartiets budsjettforslag innebærer en økning av antall inspektører i Arbeidstilsynet med 90 inspektørårsverk. Antall tilsyn er redusert med 25 pst. fra 2015 til 2018, og regjeringas budsjettforslag vil ikke innebære noen økning i antall tilsyn. Etter Senterpartiets vurdering må det bli en reell risiko for å bli tatt for arbeidslivskriminalitet gjennom flere kontroller ute på arbeidsplassene. Senterpartiet fremmer også følgende løse forslag om omorganisering av Arbeidstilsynet: «Stortinget ber regjeringa legge fram sak for Stortinget om omorganiseringa av Arbeidstilsynet som skal gjelde fra 1. januar 2020. Omorganiseringa innebærer at ledelsen for de forskjellige tilsynsseksjonene sentraliseres, det blir ingen stedlig ledelse. Dette vil gi mer fjernledelse, dårligere samarbeid på tvers av seksjoner og mer reising. Det medfører økte kostnader for etaten. Antall tilsyn vil kunne falle sterkt framover. Redegjørelsen må dokumentere hvordan denne omorganiseringa vil styrke Arbeidstilsynets hovedoppgave som er tilsyn og kontroll.» Fra regjeringspartienes side blir det sagt at omorganisering er etatsleders ansvar. Nei, dette er en så stor endring som har så store konsekvenser for det som er Stortingets politikk, at det må legges fram for Stortinget. Nav er Kjernen i rettsskandalen er at EØS-avtalen ved motstrid overstyrer norsk trygdelovgivning, noe som verken myndigheter eller domstoler har tatt til etterretning. Dette ble grundig behandlet i Meld. St. 40 for 2016–2017 Eksport av norske velferdsytelser, som gikk i statsråd 16. juni 2017. Det var og er oppsiktsvekkende at regjeringspartiene og Arbeiderpartiet ikke kunne være med på følgende merknad i den tilhørende Innst. 108 S for 2017–2018, avgitt 6. februar 2018: «Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at bestemmelsene i de internasjonale avtalene griper inn i det nasjonale regelverket og sågar går foran dette dersom det er motstrid mellom de to regelsettene.» Denne realitet, som regjeringspartiene ikke kunne underskrive på, er en svakhet som jeg presiserte i stortingsdebatten 1. mars 2018. Denne svakheten er nå kjernen i rettsskandalen. Denne rettsskandalen er nå i kontrollkomiteen, som må avklare ansvarsforholdene bak skandalen. Et eget granskingsutvalg ledet av professor Finn Arnesen er en del av et grundig og viktig arbeid som må utføres. For øvrig vil denne rettsskandalen måtte få konsekvenser for framtidas regelverk og oppfølging i Nav. Jeg forventer at det skjer gjennom en egen sak til Stortinget. Skandalen har vist at de kravene som stilles, må være like for alle, både for dem som har opphold i Norge, og for dem som har opphold innenfor et EØS-land. Skandalen gjelder midlertidige ytelser som gir retter og plikter. Ytelsene skal gi grunnlag for et verdig liv i Norge og er derfor blant de beste innenfor EØS-området. Senterpartiet slår ring om våre trygdeytelser, som er avgjørende viktig for at folk som ikke kan skaffe seg arbeidsinntekt, kan gis et verdig liv. Ytelsene krever noe av den enkelte trygdemottakeren og forutsetter at det offentlige påser at forpliktelsene overholdes – altså rettigheter og plikter. Skandalen viser at vi må få klarere plikter knyttet til trygdeytelsene, noe som også vil kreve tettere og bedre oppfølging fra fagfolk i Nav. Hele Navs organisasjonsmodell må gjennomgås for å sikre at retter og plikter for dem som får midlertidige ytelser, blir realisert. Sammenslåing av de kommunale sosialkontorene og de statlige arbeidsformidlingene og trygdekontorene ble med stor bravur presentert av statsråd Bjarne Håkon Hanssen som Nav-reformen med én dør inn for folk. Arbeids- og velferdsetaten ble etablert 1. juli 2006. Realiseringen av én dør inn ble etter bare få år forlatt, som følge av enorme problemer. Dette var en konsekvens av dårlig forberedelse av Nav-reformen og forsterket opprettelsen av spesialavdelinger i Nav. Dette ble senere videreført med kanalstrategien. Samtidig ble det iverksatt en viktig og nødvendig digitalisering av søknader og vedtak, men nå har digitaliseringen gått så langt at de svakeste gruppene, som trenger personlig kontakt med den kommunale sosialtjenesten, gis svært dårlig mulighet til å treffe fagfolk som skal bistå dem. Ikke minst rammer dette ungdom med rus- og psykiatriproblemer hardt. Det er derfor viktig at vi får en gjennomgang av åpningstidene for Nav-kontorene, og jeg vil oppfordre alle ordførere til å ta tak i dette. For øvrig tar jeg opp Senterpartiets forslag i de to innstillingene som vi nå behandler. Representanten Per Olaf Lundteigen har tatt opp de forslagene han refererte til. Det blir replikkordskifte. For eller imot EØS-avtalen er

Vi har fremmet forslag som Senterpartiet har stemt imot, bl.a. om å heve adgangen til å kunne gjennomsnittsberegne arbeidstid. Det stemmer Senterpartiet imot, noe som ville ha ryddet opp voldsomt i den uregulerte arbeidsinnvandringen. Vi har foreslått at mer av

er mulighet til i vårt lovverk, og vi går utover det og regulerer også i de store linjene. Poenget med denne øvelsen med alternative budsjetter er jo at en skal kunne vise de ulike partienes forslag til prioriteringer og inndekninger. Den øvelsen blir vanskelig når enkelte partier velger å budsjettere med det man kan kalle I Senterpartiets alternative budsjett kutter de 2 mrd. kr i EØS-midler. Dette er jo framforhandlede bidrag som man ikke bare kan redusere etter eget forgodtbefinnende. De kutter 50 mill. kr som følge av lavere asylankomster, noe Senterpartiet selvfølgelig ikke kan kontrollere. De kutter 1 mrd. kr i konsulentbruk, som i hovedsak dreier seg om digitalisering og effektivisering i offentlig sektor, samtidig som de angivelig magisk har funnet 1,7 mrd. kr til kutt i byråkrati, på tross av at Senterpartiet er nettopp det partiet som går imot alle regjeringens effektiviseringstiltak. Så mitt spørsmål til representanten Lundteigen er ganske enkelt: Kan vi ta Senterpartiets alternative budsjett seriøst? Når regjeringa snakker om effektiviseringstiltak, så er det strukturendringer. regjeringa snakker om effektiviseringstiltak, så er det strukturendringer. Regjeringa går ikke inn i det som er den største utfordringen i offentlig sektor, nemlig organisasjonskultur og ledelse. De går ikke inn i det som er det aller viktigste, nemlig at offentlig ansatte i førstelinja, enten det er i Nav, i skolen eller i sjukepleien, får mer ansvar og mer innflytelse. Det er det som er Senterpartiets hovedsvar på omstillingen i offentlig sektor. Man må gi fagfolka større ansvar og større myndighet, for da yter de mer. Når det gjelder kuttet på 1 mrd. kr i konsulentbruk, er det et meget godt forslag. Det er så omfattende konsulentbruk i dag til ting som med rimelighet ikke trenger å utredes, at det skulle vært satt store streker over mange tiltak for mange, mange år siden.

Tidligere har også representanten Lundteigen åpnet opp for at vi skal kunne øke mottaket i Norge til opp mot 100 000. Han har også vært tydelig på hvordan det skal finansieres, og det var ved å kutte i lønnen til sykepleiere og lærere. Representanten Lundteigen har også vært tydelig på at han har som mål å liberalisere og endre Senterpartiets politikk så man blir mye mer liberal i innvandrings- og integreringspolitikken. Vi ser i budsjettet vi behandler her i dag, at Senterpartiet ønsker at flyktninger skal ha særfordeler i folketrygden. Er dette et gjennomslag for representanten Lundteigen – har hans nye linje med en mer liberal politikk på innvandrings- og integreringsfeltet vunnet igjennom? I motsetning til Fremskrittspartiets representanter har jeg vært på Lésvos og møtt flyktningene. Jeg har møtt det faktum at Schengens yttergrenser brøt sammen, møtt det faktum at det ikke var grensekontroll, møtt det faktum at her kom det stor tilstrømning til Norge, og jeg ga uttrykk for hvilke utfordringer det ga. Senterpartiet og jeg er sterke tilhengere av FN når det gjelder å sikre mottak av flyktninger på internasjonal basis. Det står som en påle i Senterpartiets politikk, og den Senterpartiet er ikke for noen liberal innvandringspolitikk. Vi er for en kontrollert innvandringspolitikk, enten det gjelder flyktninger eller arbeidssøkere. Senterpartiet er den sterkeste tilhengeren av nasjonalstaten, en nasjonalstat som ikke er bedre enn andre nasjonalstater, en nasjonalstat som ikke er seg sjøl nok. Vi er altså for grensekontroll.

for. Det handlar om ei normalisering av ein ganske rein kuttpolitikk, som alltid rammar hardast dei som treng mest støtte, anten det er utgreiing, oppfølging og avklaring for å koma i jobb, eller det handlar om barn som treng briller for å sjå ordentleg. Me i SV er totalt ueinige i denne politikken, og det viser kor forskjellig

berekraftig å kutta i støtteordningar som i røynda vart innførte for at alle skulle klara seg best mogleg, uavhengig av om ein har god helse eller ikkje. Det er alvorleg når fleirtalet i Stortinget, inkludert Venstre og Kristeleg Folkeparti, no fremjar ein politikk dei kallar vegen mot ein berekraftig velferdsstat, men som i realiteten er ein rein kuttpolitikk. Eg meiner at noko av årsaka til dette er dei perspektivmeldingane som har vorte framlagde, der heile føresetnaden som ligg til grunn, er evig auka kjøpekraft og stillstand i skattenivået, og ikkje korleis me skal varetaka at alle framleis skal ha like moglegheiter, uavhengig av kva utgangspunktet var å ha tryggleik i jobben og veta at ein har rettar på arbeidsplassen og tryggleik rundt arbeidsforholdet, er ein føresetnad for at ein skal kunna yta best mogleg. Men sånn er det ikkje i dag. Utviklinga går i feil retning. Me ser at innleige og bemanningsbyrå breier seg til større og større delar av den norske arbeidsmarknaden. Dette må snu. Dette er med på å skapa større klasseskilje. Me Dette er med på å skapa større klasseskilje. Me står no overfor ei klimakrise, men òg det ein kan kalla ei velferdskrise. Me veit at denne regjeringa har kasta tusenvis av sjuke folk ut av folketrygda og over i fattigdom og sosialstønad. Innstrammingane i ordninga med arbeidsavklaringspengar har ført til at det norske tryggingsnettet no har rakna. Det er svært alvorleg at regjeringa no vil ta store delar av ytinga frå unge mottakarar av arbeidsavklaringspengar. Dette er inntekta til ungdom som er ramma av sjukdom, deira moglegheit til eit sjølvstendig og verdig liv er avhengig av at politikarar ser deira behov. Unge med funksjonsnedsetjingar og kronisk sjukdom som får arbeidsavklaringspengar, må sikrast ein trygg og verdig økonomi, samtidig som dei får god, tett og riktig oppfølging frå Nav. Frå neste år vil unge sjuke menneske verta fattigare, og det vil gå ut over kommunane sitt sosialbudsjett, som så mykje anna. Her kan eg òg nemna kutt i bustønad og kutt i barnetillegget til uføre. Dette er no vorte ganske prekært for kommuneøkonomien. Det ville vore betre å vedta SV sitt alternative statsbudsjett. Då hadde me kunna snu denne utviklinga, at forskjellane aukar og me får eit stadig meir fragmentert og utrygt arbeidsliv. Så med det fremjar eg dei forslaga SV står åleine om i innstillinga

Nei, eg trur ikkje det er eit riktig prinsipp at fagforeiningar skal vera politisk nøytrale. Eg forstår veldig, veldig godt at fagforeiningsfolk støttar og jobbar for dei partia og politikarane som i størst grad er einige i deira politikk. Eit kjenneteikn ved SVs alternative budsjett og politikk er

ein meir miljøvenleg næringspolitikk, som i nokon grad vil ramma oljepolitikken. Eg trur på ein politikk der arbeidstakarar bidreg til auka produktivitet og lønsemd gjennom arbeidstida si. Og eg trur på ein politikk der me brukar meir av pengane i fellesskap, i staden for at dei er på private hender og ein skal prioritera auka kjøpekraft.

har med aukande grad sidan slutten av 1920-åra sikra balanse og tillit mellom partane i arbeidslivet og er ein berebjelke for fridom, tryggleik og føreseielege rammer i norsk arbeidsliv og det velferdssamfunnet me nyt godt av. Den norske modellen er òg eit heilt avgjerande konkurransefortrinn for norsk industri og næringsliv når dei skal vinna anbod i konkurranse med verksemder som tilbyr heilt andre løner og arbeidsvilkår. Samtidig fører omstilling og strukturelle endringar til at ei stadig større gruppe av menneske fell utanfor den tradisjonelle organiseringa av norsk arbeidsliv. Frilansarar og sjølvstendig næringsdrivande opplever at eit svakare tryggleiksnett gjev mangelfulle rettar. Rettane til arbeidarane i Noreg kan ikkje berre verta baserte på dei som er tilsette i veletablerte bedrifter. Me må òg ha dei som jobbar i eller driv mindre bedrifter, i tankane, og dei verkemidla me tilbyr. Difor er det hyggeleg å slå fast etter seks år med budsjettmakt til Venstre at dei sosiale rettane barselpermisjon og sjukelønsordning er monaleg styrkte for sjølvstendig næringsdrivande. Sjølv om det ofte vert gjeve inntrykk av noko anna, er arbeidslivspolitikken i Noreg i stor grad Det er veldig bra. For å ta nokre døme: Frå dagens blå-grøne regjeringsplattform: «Det må alltid lønne seg å jobbe, slik at den enkeltes arbeidsevne kan bidra både til egen utvikling og samfunnets nytte. Flere må stå i arbeid lenger.» Frå den raud-grøne regjeringa si plattform: «Det er vesentlig å sikre økt yrkesdeltakelse fra grupper som i dag ikke deltar i arbeidslivet. Frå blå-grøn plattform: «Regjeringa sitt mål er eit norsk arbeidsliv med både tryggleik og fleksibilitet for arbeidstakarar, seriøse arbeidsgivarar og eit velfungerende effektivt trepartssamarbeid. Frå raud-grøn plattform: «et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet og offentlige myndigheter legger grunnlaget for et velfungerende arbeidsliv». Slik kunne eg ha fortsett. Dilemmaet til velferdspolitikken er på den eine sida å sørgja for eit sosialt tryggleiksnett som tek vare på dei som av ulike grunnar og i kortare eller lengre tidsrom ikkje kan delta i arbeidslivet. På den andre sida er det sosiale tryggleiksnettet heilt avhengig av at flest mogleg deltek i arbeidslivet. Det er ei forståing på tvers av politiske skiljelinjer av at dette er nødvendig, og me bør absolutt arbeida saman for å finna gode løysingar på utfordringane me kjem til å møta i framtida. Hovudregelen i norsk arbeidsliv er og skal vera faste heile stillingar og velregulerte tilhøve. Motsetninga til dette er organisert arbeidslivskriminaliet, useriøse aktørar, kyniske kjeltringar som utnyttar folk, som undergrev norske samfunnsstrukturar og

Verksemdene meiner òg at styresmaktene er meir synlege enn før, og undersøkinga viser at ein opplever at risikoen for å verta oppdaga er større enn før. Utfordringar knytte til eit trygt og seriøst arbeidsliv strekkjer seg også utover kongeriket. Kjeltringane kjenner ikkje landegrenser. Difor er eg veldig glad for at regjeringa og statsministeren har teke initiativ andsynes EU om å styrkja samarbeidet på tvers av landa. landa. Når Venstre tek til orde for meir og meir forpliktande internasjonalt samarbeid, er solidaritet med arbeidarar som vert utnytta, ein viktig motivasjonsfaktor. Budsjettet Venstre og dei tre andre regjeringspartia vedtek i dag, gjev eit godt grunnlag for å vidareutvikla arbeidslivspolitikken, velferdstilboda og ytterlegare styrkja kampen

Regjeringspartner Høyres Nordby Lunde sa i sitt innlegg at det var usosialt å opprettholde ikke relevante stønadsordninger, og det var kanskje derfor det ble foreslått i budsjettet å Men Venstre var tydeligvis ikke helt enig i det. I hvert fall dukket representantene Raja og Grimstad opp hjemme hos en av de familiene som ble hardest rammet, og Venstre har etterpå gitt uttrykk for at de er svært fornøyd med at man har funnet en god løsning når det gjelder støtte til briller

Likevel trur eg at eg tillèt meg å sitera frå den fellesmerknaden som regjeringspartia har lagt inn i saka som gjeld brillestøtte: «Flertallet viser til at regjeringen i Prop. 1 S foreslår å innføre faste satser for ordningen med stønad for briller til barn. Det har de siste ti årene vært en tredobling av utgiftene til denne ordningen, og en gjennomgang av ordningen fra Arbeids- og velferdsdirektoratet viste blant annet at det har vært gitt stønad til uforholdsmessig kostbare briller. Flertallet er opptatt av at barn som kvalifiseres for denne ordningen, skal sikres hensiktsmessige briller, og at fellesskapets ressurser anvendes godt. Flertallet peker på at innføringen av satser gjelder fra 1. mars 2020, og forventer at regjeringen i god tid innen god tid innen ikrafttredelse sørger for at retningslinjene også fanger opp at barn med særskilte behov får dekket nødvendige utgifter til briller.» På godt norsk: Alle barn som har behov for briller, og som har fått pengestøtte til no, vil òg få det i framtida. Representanten Breivik tok et kraftfullt oppgjør med arbeidslivskriminaliteten, og det er

med musa, der katten er kjeltringen og musa de offentlige etatene. Man blir ganske trist når man leser hvordan dette spillet foregår. Mitt spørsmål er todelt: Vil representanten Breivik gå inn for at vi får flere uanmeldte tilsyn fra Arbeidstilsynet, og vil representanten gå inn for å presisere lov- og forskriftsverk, slik at kontrollmyndighetene kan ta kjeltringene, så de ikke, som nå, glipper unna fordi lov og forskrift er for uklare? Representanten Breivik vil understreka kraftig at både eg og partiet mitt vil fortsetja den ihuga innsatsen

at alle partia her på huset er samde om må ha

I 2017 sa Marianne Øren frå Venstre om forslaget om å flytta eldre og uføre flyktningar over frå alders- og uførepensjon til supplerande stønader: «Me kan vanskeleg sjå kva som skal vere føremålet med dette, anna enn å skape meir byråkrati og eit svekt sosialt tryggingsnett. Heller ikkje forslaget om å innføre butidskrav for at flyktningar skal kunne nyte godt av viktige ordningar som t.d. stønad til einsleg mor eller far, ser Venstre som særleg fornuftig.» Kvifor vil Venstre svekkja det sosiale tryggingsnettet til eldre med flyktningstatus no? Først tillèt eg meg å kommentera litt hovudinnlegget til representanten, der ho i innleiinga nesten sette ny ny standard i stråmannsargumentasjon. Eg trur ein del av svaret mitt heng saman med det. Påstanden er at dette fleirtalet, med Venstre på lag, svekkjer velferdsordningane, kampen mot sosial fattigdom, Det me har gjort dei siste åra, er ei systematisk, lang rekkje tiltak for å styrkja innsatsen for dei som treng det mest, òg flyktningar, og for integrering og inkludering, bl.a. med innføring av gratis kjernetid i barnehage for alle barn på to, tre, fire og fem år frå såkalla låginntektsfamiliar. Me har òg auka inntektsgrensa for låginntektsfamiliar, så

rammebetingelser. Derfor er det godt at vi har et velutviklet og omfattende velferdssamfunn, solide statsfinanser og et sterkt demokrati, høy tillit blant folk og rimelig god kontroll av de beslutningene som foretas – selv om vi har en aktuell sak som reiser en del spørsmål. Slik skal det også være for framtiden. Vi må sikre at omstillinger, ordninger og velferdsgoder har et langsiktig perspektiv der vi prøver å fordele goder og byrder. Vi ønsker både sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft, i tråd med FNs bærekraftsmål. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 har egentlig en god sosial profil. En rekke ordninger styrkes, forbedres og målrettes, men samtidig er det enkelte ytelser som tilpasses. Dette er en nødvendig øvelse for å føre en politikk som sikrer godene videre. Behovet for dette vil sikkert øke framover, i takt med en aldrende befolkning og færre i arbeidsfør alder, og det er ikke alltid det nødvendige blir populært. Det går godt i norsk økonomi. Det skapes nye jobber i by og bygd. Målet er et trygt og fleksibelt arbeidsmarked med lav arbeidsledighet og høy sysselsetting. Dette er avgjørende for å sikre velferdssamfunnets bærekraft og hindre utenforskap. Aktiviteten i bedriftene er høy, og det etterspørres arbeidskraft. På tre år har 130 000 flere blitt sysselsatt, tre av fire nye jobber er kommet i privat sektor, og den registrerte arbeidsledigheten er på det laveste nivået på over ti år.

I 2019 ble det 125 mill. kr, som blir videreført og ytterligere styrket med 50 mill. kr fra 2020, og gjennom økt bevilgning til individuell jobbstøtte og funksjonsassistanse i arbeidslivet styrkes innsatsen, slik at flere med nedsatt arbeidsevne, psykiske lidelser eller rusproblemer skal få innpass. Både det offentlige og det private næringsliv må bidra til denne inkluderingen. Årets budsjett er barnas budsjett. Barnetrygden er den enkeltstønaden som har størst betydning for å redusere andelen barn i lavinntektsfamilier. Regjeringen økte barnetrygden for alle barn for første gang på 20 år, og nå foreslår regjeringen å øke barnetrygden med 300 kr i måneden for barn opp til fylte seks år. Dette gir en årlig økning på 3 600 kr, og økningen skal også komme sosialhjelpsmottakere til gode. gode. Derfor vil regjeringen øke økonomisk stønad til livsopphold for barn i alderen 0–5 år med tilsvarende beløp, i tillegg til ordinær prisjustering. Regjeringen foreslår videre å bevilge 10 mill. kr til heltidsplass i barnehage. I tillegg videreføres satsingen fra revidert budsjett 2019 med gratis kjernetid. Regjeringen foreslår å sette av 60 mill. kr til et forsøk med fritidskortordninger, i kommuner som skal prøve dette ut for ungdom fra 6 til 18 år. Det blir veldig spennende å følge utviklingen, der vi gir barn gode mestringsopplevelser og fritidsaktiviteter. Det er en ren investering i framtiden. Det er dyrt å ha små barn, og derfor er gratis kjernetid i barnehagen for de minste viktig for dem med lav inntekt. SFO er en viktig del av arbeidet og kan bidra til forebygging, inkludering og integrering og hjelpe foreldrene som er i arbeid. Der har vi nå innført inntektsgradert foreldrebetaling, og for noen gratis SFO. Ja, det er et stramt budsjett, og det er et stramt budsjett for Kristelig Folkeparti å være med på. Men Kristelig Folkeparti ønsker å bidra til å trekke politikken mot sentrum, og vårt bidrag er å ha et ekstra syn for barns å sikre et rimelig grunnlag for livsopphold for alle grupper blant oss. Det vert replikkordskifte. Jeg bet meg merke i i det siste representanten Toskedal sa, at Kristelig Folkeparti vil bidra til å trekke politikken i retning sentrum og legger stor vekt på grunnlaget for en god inntekt og et godt livsgrunnlag for enkeltmennesker. Nå er det jo sånn at Kristelig Folkeparti i utgangspunktet var mot kuttene Det ble ofret på regjeringssamarbeidets alter. Men Kristelig Folkeparti har sagt at de vil vurdere innstrammingene på nytt når de vet mer. Og nå vet vi mer, for det har kommet evalueringsrapporter fra Nav som viser at flere avslutter og går over til sosialstønad eller står helt uten inntekt. Kristelig Folkeparti har tidligere sagt i Stortinget at de skal evaluere så snart de har grunnlag for det. Nå er det snart 1. januar 2020. Da har det gått to år siden 1. januar 2018. Hvor mye mer betenkningstid trenger Kristelig Folkeparti før de vil svare på om de vil være med på en reversering? Arbeidsavklaringspenger er en komplisert sak. Den ordningen som nå gjelder, har virket i to år, og derfor har vi sagt at vi vil vente på de evalueringene som kommer, før vi tar stilling til det. det. Det leser vi nå. De meldingene vi får, blir vurdert, og vi kommer til å ta opp i regjeringen det vi mener det kan være en mulighet til å endre. Det er da særlig unntaksbestemmelser vi kan se på, og det kan også gå på praksis i Nav, slik at de som er uføre, blir raskere avklart, at vi får en raskere avgjørelse for alle. For en del av disse som skal avklares, har vi i den endringen for dem under 25 år, det er en ny ordning som kommer nå – så vi er på leit etter å få avklart arbeidsevnen så fort som mulig. Vi kommer til å jobbe med det nå framover i vinter. avklart arbeidsevnen så fort som mulig. Vi kommer til å jobbe med det nå framover i vinter. Kristelig Folkepartis sosialpolitiske talsperson sa nå at budsjettet hadde en god sosial profil. Det var enkelte ytelser som måtte tilpasses for å sikre godene framover, og det var ikke alltid det nødvendige var populært. Jeg hørte ingen forbehold i innlegget fra representanten Toskedal. Toskedal. Det blir da sagt samtidig som en reduserer minsteytelsene i arbeidsavklaringspengene med 70 000 kr for nye personer under 25 år, avvikler ung ufør-tillegget for nye brukere, for mottakere av arbeidsavklaringspenger, og flyktninger får økt botidskrav. Har Kristelig Folkeparti virkelig ingen forbehold er mitt enkle spørsmål. Når det gjelder hvordan vi forhandlet i regjering, er det klart at vi forhandlet på hele den politiske bredden for å være med i en regjering. Som sikkert representanten Lundteigen kjenner til, er det ikke alltid et parti får gjennom primærpolitikken sin. Men det betyr ikke at vi ikke har fått våre betydelige gjennomslag.

år. Det er klart at i den gruppen kan det være noen som har en større nytte av den endringen vi gjør nå, og så vil vi vurdere fortløpende om tiltaket fungerer. Det er trist å se på at Kristelig Folkeparti stiller seg bak kutt til vanskeligstilte familier og

innlegg, og det er en dugnad de fleste departementer har skulket deltakelsen på. I denne uka har regjeringen også lagt fram en handlingsplan for likestilling for funksjonshemmede uten tidsplaner, bare en oppramsing av gamle forslag der man ikke tar et eneste steg framover for likestilling for funksjonshemmede, verken i arbeidslivet eller i samfunnslivet ellers. Jeg må spørre representanten for Kristelig Folkeparti: har han tenkt å si til de funksjonshemmede som har stolt på Kristelig Folkeparti i disse sakene og trodd at Kristelig Folkeparti skulle få på plass en handlingsplan med bindende tidsfrister? Representanten kan være sikker på at Kristelig Folkeparti vil kjempe nettopp for de funksjonshemmede. Det med å få en tidsplan må jeg få sjekket litt mer nøye, hvordan det ligger an, men inkluderingsdugnaden gjelder, og den kjemper vi for. Vi har bl.a. fått inn 5 pst. som skal inn i offentlige institusjoner, og vi vil også oppfordre bedrifter til dette. Vi har midler og støtteordninger slik at bedrifter kan lage stillinger som tilpasses funksjonshemmede. Det er veldig viktig for oss. Det gjelder både den psykiske delen og dem som er fysisk funksjonshemmet, og dette vil Kristelig Folkeparti selvsagt følge opp. Jeg tror det er et kjennetegn ved vårt arbeid, og det vil vi fortsette med, sikkert på samme måte som SV har interesse av.

men dette følges ikke opp av regjeringen. Den foreslår heller nå i budsjettet å oppheve vedtaket uten å ha kommet med ett eneste tiltak for å få opp andelen organiserte. Vi vet at dette er viktig for å sikre små forskjeller i Norge – det forutsetter trygge, faste jobber, en sterk fagbevegelse og også en plass til alle som kan jobbe. Vi må også ha et sterkere felles sikkerhetsnett som ivaretar alle på en verdig måte når vi av ulike grunner ikke kan jobbe. Mange sliter med å få jobb. Det er over 100 000 som er arbeidsløse i Norge. Men regjeringen viderefører sine kutt i arbeidsmarkedstiltak og trygdeytelser og tror at folk som er utenfor jobb, vil komme i jobb bare de blir gjort fattige nok. Rødt satser i stedet på kompetanse og på tiltak som gjør flere i stand til å delta i arbeidslivet, bl.a. gjennom flere tiltaksplasser. Permitteringsregelverket angripes for andre året på rad. Nå forkortes også permitteringstiden i fiskeindustrien til 26 uker. Rødt utvider maksimal permitteringslengde til 52 uker for alle bransjer. Prognosene viser nå økende ledighet de kommende årene. Vi vil hindre at bedrifter sier opp ansatte i lavkonjunkturer som de erstatter med innleie. Vi vet at sosial dumping er en alvorlig trussel mot den norske modellen og mot fagbevegelsen. Dette setter liv og helse i fare for arbeidstakere og gjør at seriøse bedrifter og tariffavtaler blir utkonkurrert, og at staten taper milliardbeløp som de skulle ha fått inn i skatt. Nå har man altså kraftig i Arbeidstilsynets bevilgninger. Det har gjort at antallet inspektører og tilsyn er blitt kraftig redusert, samtidig som tilsynet har fått nye oppgaver og bl.a. skal håndheve regelverket for innleie av arbeidskraft. Rødt vil i stedet øremerke midler til flere tilsyn og også øke nivået på bøtene for regelbrudd, sånn at de useriøse bedriftene virkelig kjenner det på lommeboka hvis de bryter norske lover og regler. Vår hovedallierte i kampen mot sosial dumping er å ha en sterk fagbevegelse ute på arbeidsplassene. Vi vil i vårt budsjett derfor øke skattefradraget for fagforeningskontingenten og også øke bevilgningene til fagbevegelsens egne satsinger mot sosial dumping. Sammen med to nye a-krimsentre vil dette styrke innsatsen for et

vil også reversere kuttet til unge AAP-mottakere i vårt alternative budsjettforslag. Nav-skandalen gjør at det nå er en berettiget frykt hos mange for at Nav, som allerede er skrapt til beinet, med en halv milliard i kutt i driftsbudsjettene siden 2015, kan få et Nå flytter de ressurser over til å behandle dem som er rammet av skandalen. Da kan det bli mindre oppfølging og mindre avklaring av AAP-sakene. Det kan igjen gjøre at tusenvis kan bli kastet ut av AAP-ordningen uten at de er avklart verken til arbeid eller til uføretrygd innen fristen. Da havner mange av dem dessverre i fattigdom, på sosialhjelp. Det ville være et nytt svik fra regjeringen og også fra Nav. Rødt foreslår derfor i dag at opprydningen etter Nav-skandalen ikke skal gå ut over arbeidet med å avklare mottakere av arbeidsavklaringspenger, og vi håper på bred støtte til det forslaget. Jeg tar med det opp Rødts forslag. Representanten Bjørnar Moxnes har teke opp det forslaget han refererte til. Det vert replikkordskifte. Det har

Både privat eie av produksjonsmidler og markeder vil kunne eksistere på mindre prioriterte områder.» Det er jo litt rart at ein meiner at ein berre skal ha avgrensa privat eigarskap samtidig som ein budsjetterer med auka selskapsskatt inn til staten frå bedrifter ein altså ikkje ønskjer skal eksistera. Mitt spørsmål er om representanten kan forklara kva som ifølgje Raudt er «mindre prioriterte områder» der det er ok med private bedrifter som går med overskot og

Andre kan ha demokratisk medeierskap, hvor de ansatte lokalt kan ha eierskap i bedriften. Det vi vil unngå, er en utvikling hvor stadig mer makt og rikdom samles på stadig færre hender, også i kraft av eierskap til virksomhetene. Vårt forslag er egentlig en gigantisk demokratiendring av Norge, hvor de som skaper verdiene, også får eie bedriftene og ikke bare være ansatte og leve med at noen få eiere tar merverdien som

Det er viktig at ekstrainnsatsen som nå er satt inn for å rydde opp, ikke går ut over den ordinære driften til arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten. Regjeringen har derfor foreslått å øke bevilgningen med 45 mill. kr. Det går godt i norsk økonomi. Det siste året har nesten 50 000 flere kommet i jobb, fire av fem i privat sektor. Alle fylker opplever jobbvekst. Ledigheten er på sitt laveste nivå siden før finanskrisen. Bedringen i arbeidsmarkedet har ført til at flere som før sto utenfor, nå kommer inn i jobb. Den økte sysselsettingen har i stor grad kommet blant dem som bor i Norge, både norskfødte og innvandrere med flere års botid. Men fortsatt er det for mange som står utenfor, og som vil jobbe. Helseutfordringer eller manglende kompetanse kan hindre dem i å få innpass i jobbmarkedet. Stor etterspørsel etter folk gir gode muligheter for inkludering. Men det er ikke alltid nok. Det krever en ekstra innsats. I år styrket vi inkluderingsdugnaden med 125 mill. kr. For 2020 intensiveres arbeidet med ytterligere 50 Økt satsing på individuell jobbstøtte og funksjonsassistanse, lønnstilskudd eller mentorordning skal bidra til at flere med nedsatt arbeidsevne, psykiske helseplager og rusproblemer får sin plass i arbeidslivet. Det er arbeidsinnsatsen vår som sikrer velferdssamfunnet. Jo flere vi klarer å inkludere, jo bedre er det både for den enkelte og for samfunnet. Sysselsettingsutvalget har pekt på at dagens minstesatser gir unge under 25 år som mottar AAP, en klart høyere inntekt enn gjennomsnittet for dem i den samme aldersgruppen som ikke mottar trygd. Vi vet at lange stønadsløp øker risikoen for varig utenforskap. Derfor følger regjeringen opp forslaget fra Sysselsettingsutvalget om å redusere støtten. Det er viktig at det fokuseres mer på mulighetene enn på Hjelpeapparatet må fokusere mer på oppfølging for å øke overgang til jobb eller utdanning. Tett og treffsikker oppfølging er viktig for å kunne hjelpe dem på veien dit. Regjeringen foreslår derfor å benytte et beløp tilsvarende innsparingen til å styrke oppfølgingen av unge AAP-mottakere. Mennesker som får opphold i Norge, må stimuleres til raskt å komme i jobb eller aktivitet som kan bidra til selvforsørgelse. Det foreslås nå å likebehandle flyktninger med andre med kort botid i Norge, det være seg nordmenn med lange utenlandsopphold eller personer med kollektiv beskyttelse i Norge. Samtidig foreslås det å utvide ordningen med supplerende stønad til også å gjelde uføre flyktninger, nettopp for å sikre at de fortsatt får en minsteytelse på nivå med minste pensjonsnivå i folketrygden. Bostedskravene i folketrygden foreslås hevet fra tre til fem år.

For å møte utfordringene vil regjeringen styrke budsjettet med en samlet arbeidslivspakke på 25 mill. kr. Et godt trepartssamarbeid er en bærebjelke i det norske samfunnet. Vi har derfor også nedsatt viktige partssammensatte utvalg som skal se på sysselsettingsutfordringer, økt organisasjonsgrad og tilknytningsformer, og som er viktige for å se på både dagens og framtidens utfordringer. I fellesskap skal vi finne gode løsninger på I fellesskap skal vi finne gode løsninger på de utfordringene vi står overfor, noe som vil bidra til økt sosial og økonomisk bærekraft. Det vert replikkordskifte.

som vi skal vedta i dag, er tilstrekkelig for å rydde opp i Nav-rotet og sørge for at de som har penger til gode, får det? Det er ingen tvil om at den saken vi nå står overfor, er svært krevende. Den er omfattende. Den innebærer at mange mennesker har blitt urettmessig behandlet i både forvaltningen, Trygderetten og domstolene. Jeg har varslet fra denne talerstol at vi skal gå gjennom alt. Vi skal komme til bunns i hva som har skjedd, og vi skal snu hver eneste stein. Jeg har også sagt til Stortinget at vi må være forberedt på at vi i opprydningen også vil få ny informasjon og nye fakta. Opprydningen er godt i gang. Folk får nå tilbakebetalt penger. Rettshjelpsordningen er nå på plass. Granskningsutvalget er også i gang med å jobbe, og det er bra. Vi har vært opptatt av at dette ikke skal gå ut over den ordinære driften til Nav, og har derfor foreslått å bevilge 40 mill. kr og 5 mill. kr til henholdsvis Nav og Trygderetten for å forestå denne opprydningen. I den grad det er behov for mer penger, er jeg beredt på at vi skal se på det. Men da må vi komme tilbake til det i øvrige budsjettproposisjoner.

kutt når man ser hvordan privat næringsliv og andre faktisk må bidra til omstilling. Like fullt er det viktig å si at bl.a. IKT-satsingen som Stortinget har vært med på å bevilge til, også har frigjort mye ressurser de siste årene. Til tross for ABE-kuttet er det mer enn 530 flere ansatte i Nav nå enn det har vært tidligere. Noe av gevinstrealiseringen er tatt ut på nettopp denne måten. I tillegg har vi også viktige satsinger som bidrar til at at ansatte har færre klienter å jobbe med. IPS og de individuelle jobbstøtteprosjektene innebærer f.eks. at de ansatte har færre personer å jobbe med, fordi vi ser at en del av Navs brukere trenger tettere oppfølging enn de har fått tidligere.

kraftig nedgang i antall tilsyn, 25 pst. fra 2015 til 2018, fra 18 000 til 13 500, og årets budsjett fra regjeringa legger ikke opp til å øke antall tilsyn. Mitt spørsmål er følgende: Vil statsråden i tildelingsbrevet for Arbeidstilsynet for 2020 kreve at antallet uanmeldte tilsyn økes radikalt for å øke risikoen for å bli tatt for arbeidslivskriminalitet? Denne regjeringen har iverksatt en rekke viktige og effektive tiltak for å få bukt med useriøse aktører i arbeidslivet. Vi har styrket a-krimsatsingen med mer enn 100 mill. kr. Vi har etablert syv a-krimsentre, med tettere samarbeid mellom de operative etatene. Men så er det helt riktig at vi også har vært opptatt av å vri en del av tilsynsarbeidet, at man bruker mindre tid på tilsyn ved de seriøse bedriftene, at man bruker mer tid på veiledning av de seriøse, slik at man kan bruke mer tid på den useriøse delen. I tillegg til den tilsynsaktiviteten som

Tvert om så må vi fortsatt intensivere arbeidet for å få bukt med useriøse aktører i arbeidslivet. Etter at det vart klart at regjeringa ville spara 122 mill. kr på kutt i ordninga med barnebriller, har det vore veldig mange som har reagert. Augelegeforeininga, optikarane og foreldre til ungar med nedsett funksjonsevne har allereie åtvara mot konsekvensane av desse kutta. Det har vore store og mange oppslag i media om korleis dette forslaget vil ramma spesielt dei som treng aller mest støtte. Representantar frå regjeringspartia har fleire gonger lovt at dei ungane med størst behov skal skjermast og få dekt dei reelle behova som dei har. Kuttet på 122 mill. kr står framleis fast i budsjettet. Kan statsråden fortelja korleis ho konkret har tenkt

som man ikke gjør noen endringer i, og hvor det ikke er noen grenser for hva brillene kan koste. Så er det den andre ordningen, briller til barn og ungdom under 18 år, som vi nå foreslår endringer i, bl.a. fordi man har sett at det har vært dekket uforholdsmessig dyre briller. Det er bakgrunnen for at vi foreslår standardsatser. Så gå gjennom ordningen for å se om det likevel skal være noen unntak for de få som eventuelt trenger det, som ikke kan få dekket brillene innenfor de satsene som finnes. Det har vi god tid til å gjøre. Dette skal ikke skje før 1. mars neste år. Alle skal fortsatt få støtte til briller, men vi ønsker å få kontroll på kostnaden. I dagens avis framgår det at Nav så tidlig som i juni 2018 ba om en rettslig vurdering fra Arbeids- og

på bordet. I den gjennomgangen har jeg bedt om å få alle EØS-saker på mitt bord, og da har vi sett en sak hvor Nav fikk medhold av Trygderetten. Når vi nå ser på den saken på nytt, kan det se ut som at både Trygderetten og Nav har tatt feil i sin tolkning og praksis i denne konkrete saken. Jeg mente det var riktig å informere Stortinget om det i dag. Derfor har jeg oversendt et brev til Stortinget. Jeg har også svart Nav på det brevet i dag. Det er selvfølgelig svært uheldig at dette brevet har ligget ubesvart i departementet så lenge. Replikkordskiftet er då omme. Dette er det sjuende statsbudsjettet som Solberg-regjeringa legger fram. Et uttrykk som går igjen i budsjettforslagene fra denne regjeringa, og

som beskriver viktige kvaliteter ved det norske samfunnet som det er viktig å ta vare på. Ifølge folketrygdens formålsparagraf handler det bl.a. om å gi økonomisk trygghet ved arbeidsløshet, aleneomsorg for barn, ved sykdom og skade, uførhet og alderdom, hjelp til selvhjelp og utjevning av inntekt mellom grupper. Men summen av Solberg-regjeringas sju budsjetter er en annen. De med de laveste inntektene sakker akterut. Det omfordeles ikke fra dem med høye til dem med lave inntekter, men motsatt. Som vi påpeker i Arbeiderpartiets alternative budsjett: Summen av regjeringas politikk har gjort det vanskeligere for vanlige folk å leve livet sitt. De har gitt skattelette til dem på toppen og kuttet overfor svake grupper. De sosiale forskjellene øker. Pensjonistene har de siste fire årene gått i minus, mens andre har gått i pluss. Mange, særlig enslige minstepensjonister, har det vanskelig. Barnefattigdommen øker. Regjeringspartiene gjemmer seg bak innvandring, men det er bare halve sannheten. Barn av enslige forsørgere er omtrent halvparten av dem. Solberg-regjeringa kutter konsekvent langs to linjer – i skatten til de rikeste, i stønaden til de svakeste. Inntekten går opp i toppen av skalaen og ned i bunnen. Saken om arbeidsavklaringspenger er et godt eksempel på hvordan regjeringspartiene tenker. Arbeidslinja er for Arbeiderpartiet en mulighet, men for høyrefolk en pisk. De styrer etter en underlig mangel på logikk – de med minst motiveres av å få mindre, de med mest motiveres av å få mer. Resultatet ser vi. Flere skyves ut av folketrygden og over til sosialhjelp eller privat forsørging. De med arbeidsavklaringspenger er dessverre ikke alene om det. Det ser ikke ut til å ha noen ende, hvilke kreative kuttforslag det er mulig å finne på. Bare i neste års budsjett skal det kuttes enda mer i arbeidsavklaringspenger. Ungdommen står nå for tur. Til og med tillegget som ung ufør skal bort. Det kuttes i tannregulering til barn og i briller til barn. Barn i fattige familier får svi mest. Det kuttes i støtten til folk med cøliaki og glutenintoleranse. Det kuttes til noen av de mest sårbare, de som er innvilget flyktningstatus i Norge. Det er mennesker i nød, allerede overrepresentert i fattigdomsstatistikken. De fortjener ikke å få det verre. Botidskravet i folketrygden skal økes fra tre til fem år. Det vil ramme alle med så kort botid. Så har vi alle de skjulte kuttene, i form av manglende prisjustering av stønadssatser i folketrygden. Det har pågått lenge og utgjør til nå nesten en halv milliard i kutt Ifølge Høyres Nordby Lunde er altså barnebriller og tannregulering såkalte ikke-relevante ordninger, og det nye slagordet til Fremskrittspartiet, ifølge Erlend Wiborg, er: styrke, redusere, endre, innføre. Det tyder kanskje på at han er enig med Høyres representant i at i ikke-relevante ordninger kutter man i vei. Så er spørsmålet om de som opplever disse kuttene, er enig i at det var ikke-relevante ordninger. ordninger. Om et år skal regjeringa fremme sitt åttende, og forhåpentligvis siste, budsjett. Da får vi vel en slags form for status etter åtte år med høyrestyre. Som en liten gest fra oss i Arbeiderpartiet, har vi startet på den jobben. Vi går tilbake til 2014: Da ble kutt i overgangsstønaden til enslige forsørgere forhindret av budsjettforlik med Kristelig Folkeparti og Venstre, men det ble strammet inn i lønnsgarantiordningen for personer som mistet jobben etter konkurs, det ble kuttet i permitteringsregelverket og i arbeidsmarkedstiltak for ledige. I tillegg kuttet man i satsen for bilstønad til funksjonshemmede, og man kuttet i områdesatsing i områder med høy grad av innbyggere med utenlandsk bakgrunn. Av de mer smålige kuttene – men som kanskje kan være til å leve med – er at man i praksis omtrent nullet ut boliglånsordningen i Statens pensjonskasse. Igjen: Om enslige forsørgere og arbeidsledige mener at dette var ikke-relevante ordninger, er jeg ikke helt sikker på. Det fortsatte i 2015: Igjen ble Kristelig Folkeparti redningen for noen. De store kuttene i barnetillegget til uføre med opptil 28 000 kr per barn ble stoppet av Kristelig Folkeparti ved at de stemte sammen med oss, men et kutt ble likevel gjort for dem med de aller laveste inntektene. Så ble det kuttet i bevilgningen til arbeid mot ufrivillig deltid.

jeg er ikke så sikker. I 2016 ble det kuttet både i tilretteleggingstilskuddet og i arbeids- og utdanningsreiser for arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne. Partiet til nedsettelse av skatter og avgifter innførte skatt på sluttvederlaget til folk som mister jobben på grunn av innskrenking, nedbemanning, avvikling, konkurs, og karantenetida for dagpenger økte fra åtte til tolv uker. Forslaget om å overføre varig tilrettelagt arbeid til kommunene ble heldigvis stoppet i Stortinget, men det ble kuttet i aktivitetsmidler til funksjonshemmede over 26 år, i «Raskere tilbake» og i overgangsstønaden. De som kommer til Norge på familiegjenforening, mistet retten til supplerende stønad. I stedet ble folk over 67 år lempet over på sosialhjelp eller privat forsørging. Det småligste av alt var at man fratok personer på supplerende stønad midler til eget forbruk ved opphold i alders- og sykehjem. Er det rettferdig? Hvorfor skal ikke alle da ha det samme? I 2017 svekket man bevilgningene til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet, og det kom ingen nye satsinger til bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Det er kanskje irrelevante problemstillinger? På spørsmål fra at kutt i stønader som følge av manglende årlige prisjusteringer av satser fra 2014 på det tidspunktet lå på 281 mill. kr. Nå er det altså det dobbelte. De reelle kuttene fortsatte i 2017. Det ble innført en såkalt omdisponeringsfullmakt fra varig tilrettelagt arbeid til tiltak for ordinære arbeidssøkere. I 2018 kom det forslag til kutt i og forslag til kutt i deler av pleiepengeordningen, men det siste måtte regjeringa gi seg på, for stortingsflertallet sa heldigvis nei. Men regjeringa har fortsatt ikke oppfylt Stortingets vedtak om at fosterforeldre med trygd ikke skal tape på å være fosterforeldre, og de har nektet å oppfylle Stortingets vedtak om at sluttvederlag ikke skal gi avkorting i trygd. Praksisen med ikke å prisjustere folketrygdens stønader har bare fortsatt. Regjeringa foreslo også kutt i grunnlaget for dagpenger, men måtte gi seg på det i budsjettforhandlingene i Stortinget. Et nytt forslag om å lempe folk og utgifter ut av folketrygden og over til kommunene, denne gangen retten til hjelpemidler, ble heldigvis også nedstemt i Stortinget. Nå i 2019 har virkelig virkningene av kutt i arbeidsavklaringspenger begynt å vise seg med for Nav har det vært en overraskende sterk nedgang. Mange mister stønaden til tross for manglende avklaring. Barnetrygden er økt – fint, men sosialhjelpsmottakere fikk ingen glede av det. Nye tall fra Nav viser at flere enslige forsørgere etter innstrammingene i overgangsstønaden må ha sosialhjelp i tillegg for å klare seg. Nye tall viser at 122 800 uføre har fått redusert netto inntekt, men ingen tiltak mot det er foreslått. Manglende prisjustering av stønadssatser fortsetter. Forskjellene øker. De med lite opplever kutt på kutt i stønader og satser, mens de rike får skattekutt. Regjeringspartiene er tilsynelatende stolte av det de har fått til. Det mange lurer på, er om det er den gjengse oppfatningen blant alle de fire regjeringspartiene. Jeg skjønte i hvert fall på innlegget til Erlend Wiborg at alle disse kuttene er helt i tråd med Fremskrittspartiets syn på hvordan velferden skal være i årene framover. Han kalte det justeringer. Vi kaller det noe annet. Jeg tror ikke at de funksjonshemmede som mistet bilstønaden, er enig i at det bare var en justering. Jeg tror ikke at syke folk som kastes ut av arbeidsavklaringspenger og over på sosialhjelp, er enig i at dette bare er justeringer eller såkalte ikke-relevante ordninger, som Nordby Lunde kalte det.

vi har fremdeles en vei å gå. Fedrekvoten har vært helt avgjørende for min deltakelse i arbeidslivet, samtidig som den har gitt min mann en anledning til å være far. Vi har likevel måttet tåle kommentarer som at jeg driver med selvrealisering, mens min mann er en tøffelhelt. Ubetenksomme kommentarer, som ofte også er ubevisste, fører til holdninger som opprettholder mye av det gamle tankesettet. Disse holdningene er til hinder for inkludering. Hege Berg har funnet at nordmenn ser på oss kvinner som de varmeste og mest kompetente. Jeg anser meg selv som rimelig varm og kompetent, men jeg vet at det bildet ofte falmer litt når en setter yrkestittelen politiker foran. Enda kaldere kan det nok bli hvis jeg sier at jeg representerer Høyre – for det er så lett å sette hverandre i båser. Enda verre står det til for de funksjonshemmede, som nordmenn ser på som og så lurer vi på hvorfor ikke flere kommer seg inn i arbeidslivet. En mann som sitter i rullestol, uttalte nylig følgende i Dagsavisen, etter at han omsider fikk jobb på Scandic etter flere hundre søknader: «Jeg har vært handikappet fra fødselen av, jeg vet hva samfunnet tenker om oss og hvordan vi dømmes ut fra hva folk ser. Men jeg har alltid visst at jeg en dag ville få muligheten til å vise at jeg kan gjøre en like god jobb som alle andre.» Dette ansettelsesforholdet har vært en ubetinget suksess. Men det fordret en leder som så på ham som en ressurs, og ryddet egne fordommer av veien. Den lederen er dessverre heller unntaket enn regelen. Vi går en tid i møte hvor det blir stadig flere eldre, samtidig som oljeinntektene går ned. Digitalisering og automatisering truer jobbene våre, vi får flere innvandrere, og kompetanse blir stadig viktigere. Vi kan ikke fortsette å Som politiker har jeg blitt engasjert i seniorsaken, så vel som i kvinnesaken. Kvinner har i mange år kjempet for sin rett til å være i arbeidslivet. Nå kjemper mange av dem som gikk foran oss i kvinnekampen, for å kunne fortsette i arbeids- og samfunnslivet, på tross av alder. De kjemper sammen med «menn som pusher 50», og de kjemper en viktig kamp. Pensjonssystemet og velferdssystemet er ikke laget slik at de mellom 30 og 60 år skal forsørge resten. Det er ikke bærekraftig. Det er heller ikke bra for den enkelte som skyves ut av arbeidslivet. Å havne i en sofa kun på grunn av fødselsår er sløsing av viktige ressurser. Det vil også kunne sykeliggjøre en større del av oss. Vi har bruk for alle, og det er god medisin for den enkelte. Når jeg runder 50, vil vi mangle arbeidskraft, særlig innenfor helse og omsorg. Mangelen på helsefagarbeidere og sykepleiere kan faktisk løses ved at kvinner jobber mer heltid, og at avgangsalderen økes med noen år. Det forundrer meg at man i typiske kvinneyrker debatterer langturnus, mens det i mannsdominerte bransjer er normalen. ASKO hadde ikke klart å forsyne Norge med mat hvis en skulle organisert seg som i helsesektoren. Det er et tankekors at vi snakker så Heltidskultur gir fornøyde brukere og tilfredse medarbeidere, men det er krevende arbeid, spesielt rundt turnus. Holdningene påvirker oss, også her. Vi må skape et samfunn der vi har bruk for alle. Regjeringen trapper opp innsatsen i inkluderingsdugnaden og gjør det lettere for arbeidsgivere å ansette. Nav tilbyr nå fast kontaktperson, søknader er digitale, og verktøykassen har fått flere gode verktøy tilgjengelig. Det viktigste for en arbeidsgiver er å ha en person å ringe til hvis det er noe. Partene i arbeidslivet er også involvert gjennom samarbeidsprosjektet «Vi inkluderer». Vi trenger gode brobyggere mellom arbeidslivet og dem som står utenfor. Arbeids- og inkluderingsbedriftene bidrar godt sammen med Nav. Det er viktig at det er blitt gjennomført en historisk økning i antall varig tilrettelagte arbeidsplasser de siste årene. Gjennom inkludering, integrering og satsing på kompetanse skal vi sørge for at enda flere får delta, og at ingen skal gå ut på dato. Men det fordrer at vi tror på folk, og at vi gir dem den sjansen de fortjener. Det er

å høyra på debatten så langt, der opposisjonen teiknar eit bilde av ei regjering som ikkje har ein sosial profil, når omtrent alt av dei 474 mrd. kr går til sosiale formål. Dei alternative budsjetta til dette kapittelet skil seg heller ikkje ut frå den ramma som regjeringspartia føreslår. Arbeidarpartiet set av 475 mrd. kr, Senterpartiet 474,5 mrd. kr, SV 475,5 mrd. kr og SV 475,5 mrd. kr og Raudt 477 mrd. kr. Det er altså ikkje store forskjellar frå dei 474 mrd. kr som regjeringspartia føreslår. Det fortel meg at det er brei einigheit i Noreg om veldig mykje innanfor velferdsstaten. Hovudgrunnen til at me i dag kan bruka så mykje pengar på dette, er at det er nokon som puttar pengar inn i statsbudsjettet. Det kjem i hovudsak fordi det er arbeidsplassar i landet som betalar arbeidsgjevaravgift, og at folk skattar av inntekta si. Difor er det viktig at me har arbeidsplassar, og desse bør i tillegg vera lønsame, slik at selskapa betalar selskapsskatt. Eg er oppteken av at arbeidsplassane skal bidra til statsbudsjettet og Då kan me i denne salen ikkje tru at me kan vera mot olje- og gassnæringa, f.eks., og så tru at å laga statsbudsjett vil vera like enkelt som i dag. Me kan heller ikkje vera mot havbruksnæringa eller mot dei som satsar eigne sparepengar og skapar arbeidsplassar, og kalla dei for velferdsprofitørar i denne sal. Eg trur alle er einige i at me skal ha eit sikkerheitsnett for dei som blir sjuke, mistar arbeidet eller treng ein pensjon å leva av, men me må aldri ta for gjeve dei inntektene som sikrar oss moglegheita til å bidra med det. I dette budsjettet er Framstegspartiet oppteke av arbeidsplassar, og me er veldig glade for å ha ein velfungerande arbeidslivspolitikk i dag. Me er veldig glade for at ni av ti rapporterer at dei trivst på jobben. Likevel er det nokre utfordringar i

I tillegg gjer me det tydeleg at enkeltpersonar skal kunna varsla om kritikkverdige forhold og set av meir pengar til å handtera det. Me satsar òg meir på internasjonalt samarbeid om arbeidslivspolitikk. Framstegspartiet vil vera næringslivet sitt parti, og me er tydelege på at me skal leggja til rette for arbeidsplassar òg i framtida. Det er bra for distriktspolitikken, som ofte blir diskutert i denne salen. Då handlar det veldig mykje om statlege arbeidsplassar, men det aller viktigaste for distrikta er faktisk at private vil investera i arbeidsplassar i heile landet. Arbeidslivspolitikk handlar òg om heiltid og deltid. Det løyser ingenting om me innfører seks timars arbeidsdag, som enkelte Me må sørgja for at me brukar arbeidsmiljøloven og moglegheitene han gjev, til å laga turnusar som sikrar ein heiltidskultur, slik denne regjeringa har lagt til rette for. Heldigvis ser me at utviklinga går i rett retning, og at delen som no jobbar deltid, har sokke frå 40 pst. til

Då er nøkkelen å ha ein politikk som sikrar at ein skapar arbeidsplassar. Framstegspartiet i regjering har alltid

som prioriterer tydelig, sammen med de andre høyrepartiene i regjering, som viser at de er på feil lag. Høyrepartiene er på lag med millionærene – Arbeiderpartiet er på lag med folk med vanlige lønninger, med pendlere og med barnehageforeldre. Høyrepartiene er på lag med aksjonærene og heller sikre folk faste, hele stillinger. Høyrepartiene er på lag med toppene – Arbeiderpartiet er til for dem som jobber på golvet. Høyrepartiene er på lag med klimarealistene – Arbeiderpartiet vil løse klimaproblemene gjennom å satse på industriarbeiderne våre og bidra til tusenvis av nye industriarbeidsplasser. Høyrepartiene er på lag med fondsforvalterne Arbeiderpartiet velger heller pensjonistene. Høyrepartiene er på lag med bandittene – Arbeiderpartiet krever opprydding i det useriøse arbeidslivet. Høyrepartiene er på lag med ludittene – Arbeiderpartiet skal sørge for at alle er klar for det nye arbeidslivet. Det er nemlig millionærene, aksjonærene og fondsforvalterne som tjener mest på regjeringens politikk. Ved manglende satsing på klima og kompetanse svikter regjeringen kommende generasjoner. Useriøse arbeidsgivere kan fortsette sin lyssky virksomhet nesten uten risiko for å bli avslørt og straffet. Arbeiderpartiet velger også side. Vi er på lag med arbeidsfolk. Derfor øker vi pendlerfradraget, senker barnehageprisene og gir lavere skatt til alle som tjener under 750 000 kr. Derfor stopper vi privatiseringen, sikrer heltidsstillinger og involverer ansatte tettere i utviklingen av offentlige tjenester. Derfor rydder vi opp i innleieproblemene én gang for alle med de forslagene vi fremmer i Stortinget, og krever hele, faste Derfor prioriterer vi seriøse bedrifter med egne ansatte, fagarbeidere og lærlinger når det offentlige skal bestille bygg og transport. Derfor dobler vi fagforeningsfradraget og foreslår å gi mer makt til de tillitsvalgte og gjeninnføre kollektiv søksmålsrett. Derfor vil vi utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen fullt ut for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Derfor vil vi skape nye industriarbeidsplasser. Norsk industri skal være en sentral del av klimaløsningene. Derfor vil vi gjennomføre en kompetansereform i hele arbeidslivet hvor alle kan lære på jobb. Og derfor vil vi sikre pensjon fra første krone for alle, øke minstepensjonene og endre reguleringen slik at pensjonistene ikke taper i år Jeg tror historien og velgerne vil felle en hard dom over regjeringen til Erna Jeg må først si at jeg tror representanten Grande har misforstått tid og sted litt. Han holder ikke et innlegg i Frankrike i 1789 eller i Russland i 1917, men i Norge i 2019. Norsk økonomi er inne i en god periode. Det skapes nye jobber nå, i by og bygd. Den registrerte arbeidsledigheten er på det laveste nivået på over ti år, og hele landet tar del i oppgangen. Aktiviteten i bedriftene er høy, og etterspørselen etter arbeidskraft er økende. Bare siden utgangen av 2016 har sysselsettingen økt med 115 000 personer. I overkant av tre fjerdedeler av veksten har kommet i privat sektor. For venstresiden må det, i hvert fall innerst inne, framstå ganske ironisk at de er nødt til å stå her i dag og rase over en borgerlig regjering som f.eks. har trappet opp kampen mot arbeidslivskriminalitet og etablert syv a-krimsentre, som har trappet opp kampen for å skape en bedre heltidskultur, noe som bl.a. har medført 60 000 flere heltidssysselsatte kvinner fra 2013–2018 og tilsvarende at andelen sysselsatte kvinner i deltid har sunket fra 40 pst. til 37 pst. i samme periode. Det er altså god grunn til å være optimistisk over situasjonen i norsk arbeidsliv. Men dette er ikke bare et resultat av at Norge har vært, og er, heldige med mange faktorer, det er også et resultat av politikk. Noe av grunnen til den gode utviklingen er at denne regjeringen fører et systematisk arbeid for å forsvare og styrke arbeidslinjen. Det er folk i arbeid som er grunnlaget for velferden vår. Det blir imidlertid stadig tydeligere at arbeidslinjen er i ferd med å bli en politisk skillelinje mellom de borgerlige partiene og venstresiden og ikke noe vi står sammen om. Da vi i forbindelse med uførereformen gjorde det umulig å motta mer til sammen i trygd og barnetillegg enn man kunne få i inntekt før uførhet, førte det til store protester Da vi innførte aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere, ble det kalt tvangsarbeid av SV. Da vi gjorde ordningen med arbeidsavklaringspenger mer arbeidsrettet, gikk en samlet opposisjon mot. Dette året har vi fått flere eksempler: Arbeiderpartiet og resten av opposisjonen ville beholde skjermingstillegget for uføre til tross for at den ulempen man skulle skjerme for, De ville altså at man skulle komme dårligere ut ved å stå i jobb. Arbeiderpartiet er også imot å følge sysselsettingsutvalget og Navs egne anbefalinger om å redusere satsen på arbeidsavklaringspenger for unge under 25 år, som i dag får mer betalt på AAP enn jevnaldrende som arbeider som lærling eller er student. Ordningen var i ferd med å bli en fattigdomsfelle. Nå får de i stedet bedre og tettere oppfølging av Nav.

Dessverre ser vi en opposisjon som er mer opptatt av å utvide og uthule alle stønader selv når utredninger og ekspertråd viser at de ikke virker. Det er kanskje egnet til å score billige poeng i dag, men det ville vært framtidige generasjoner som måtte betalt regningen dersom det ble

for kartet til representanten stemmer ikke med terrenget. Når vi snakker om deltidsstillinger, vet vi at kvinner har gått fra å stå med lua i hånda til at man nå har mobilen til å vente på neste vakt. Det å planlegge et hverdagsliv, det å få kabalen til å gå opp, er for mange vanskelig, og det er også vanskelig ikke å vite hva som kommer på konto neste måned. Og når det gjelder arbeidslivskriminalitet,

for de eldste i aldersgruppen opp til 25 år, dem på 23 og 24 år, hvis de bor borte. Men jeg kan ikke se at regjeringen har tatt inn over seg dette og tatt det opp i sine forslag. Det å pålegge unge et kutt i arbeidsavklaringspenger og sminke det med at de selv skal finansiere sine Nav-saksbehandlere, er uholdbart.

Det står kanskje ikkje til noko språkprismateriale, men innhaldet vil begeistra mange. Eg kan allereie no varsla at eit av tiltaka som ligg i dette prosjektet, er eit kompetansefond som skal bidra til praktisk og nødvendig kompetanseheving for arbeidsfolka på golvet i industribedrifter som har som mål å verta meir miljøvenlege. Dette skal eit kompetansefond som skal styrast av partane i arbeidslivet sjølve, som kjenner best kor skoen trykkar. Det er eit fond på 100 mill. kr, som er prioritert i vårt alternative statsbudsjett, og som viss me hadde fått styrt og fått realisert dette, ville vorte tildelt ei samansett styringsgruppe av f.eks. Norsk Industri, Nelfo, EL og IT, Fellesforbundet og Industri Energi. SV har alltid vore og er framleis eit veldig tydeleg likestillingsparti. Me set difor av ein pott som skal gå til fleire langvarige forsøk med sekstimars arbeidsdag. Det kan ikkje vera sånn at det er skrive i stein at normalarbeidsdagen skal vera åtte timar, all den tid me år for år vert meir produktive, og samfunnet vert meir digitalisert. I tillegg set me av heile 200 mill. kr til å starta realiseringa av «Veikart» for skulen. 80 pst. – 80 pst., president – av norske skular har ikkje ein tilfredsstillande standard når det gjeld universell utforming. Dette vil SV gjera noko med. I tillegg til dette har me sett av rikeleg med pengar til å få tett og god oppfølging i Nav samt pengar til 2 000 tiltaksplassar og til totalt 800 nye

Nav-kontorene, må få større ansvar og mer makt. Senterpartiet er derfor svært fornøyd med at Arbeiderpartiet og SV er med på følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen sikre Nav-kontorene myndighet til å fatte beslutninger angående både ytelse og oppfølging av arbeidsavklaringspenger.» Det er altså en av de midlertidige ytelsene. Når det gjelder pensjon, er Senterpartiet for forhandlingsrett. Det framgår av forslag nr. 4 i innstillinga om regulering av pensjon i 2019 og pensjonistenes inntektsforhold. Sammen med SV fremmer vi følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige forslag for å sikre at organisasjonene som deltar i trygdeoppgjøret, får forhandlingsrett i 2020.» Det er et forslag som Pensjonistforbundet og alle pensjonister bør merke seg. Vi går sammen med Arbeiderpartiet og SV inn for å regulere de løpende pensjonene på en ny måte. I stedet for å ha et fratrekk fra lønnsutviklingen på 0,75 pst. går vi over til faktisk gjennomsnitt av lønn og pris. Videre går vi inn for at hvis det blir en positiv forskjell mellom regjeringas regulering av alderspensjon og forslaget om et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten, skal det legges til rette for at dette kan settes av til å øke minstepensjonen ytterligere. Det er å følge opp arven fra tidligere sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa, som gikk inn for noe omprioritering innenfor de rammene som er. Senterpartiet går også inn for å øke de årlige minstepensjonene for enslige med 2 000 kr fra 1. oktober 2019. Vi går imot å øke botidskravet i folketrygden og å avvikle folketrygdens særskilte bestemmelser for flyktninger. Argumentasjonen er sjølsagt: Regjeringa legger med sin politikk opp til en politikk som vil øke forskjellene i Norge og stille noen av de svakeste utenfor ordningen, som til nå har vært regnet som et minstenivå for alle. Det vil endre samfunnet vårt og virke konfliktskapende i stedet for konfliktdempende. Vi går imot å redusere minsteytelsene på arbeidsavklaringspenger for personer under 25 år og Jeg blir noe overrasket når både statsråden og Kristelig Folkeparti bruker sysselsettingsutvalget som begrunnelse for dette. Jeg trodde at sysselsettingsutvalget skulle ut på høring, og at en da skulle ha en samlet behandling av sysselsettingsutvalgets mange forslag. Senterpartiet går inn for å prisregulere en rekke tilskuddssatser. Vi er de eneste som bevilger penger til det. Vi går inn for å beholde brilleordningen, og vi går inn for å bevilge penger for å opprettholde nivået for

Vi meiner at det må sikrast ein saumlaus overgang frå vidaregåande skule til VTA-plass for ungdom som har behov for det. Vi har òg fremja eit forslag om dette, saman med SV, som lydde på følgjande måte: «Stortinget ber regjeringen fra 1. august 2019 ha klart et regelverk som gir ungdommer med behov for varig tilrettelagt arbeid rett på slik statlig finansiert plass.» Arbeidarpartiet og regjeringspartia støtta ikkje dette forslaget, og systemet av i dag med mangel på VTA-plassar gir usikkerheit og auka belastning for både ungdom og familie, noko som òg fører til ekstra utgifter på andre statlege og kommunale budsjettpostar. Regjeringspartia har frå før stemt ned Senterpartiets forslag om å få ein nasjonal oversikt over behovet for Regjeringa vil altså ikkje ha ei slik oversikt. Dei har òg stemt ned eit forslag om ein nasjonal opptrappingsplan for VTA-plassar i tråd med behovet, og dei har stemt ned forslaget vårt om ei ny vurdering av tildelingskriteria for VTA-plassar. Regjeringa føreslår i statsbudsjettet å oppretthalda talet på VTA- og VTO-plassar på same nivå som andre halvår 2019. Det vil ifølgje regjeringa gi 11 100 tiltaksplassar i 2020. Fleire høyringsinstansar har gitt informasjon om at behovet er større enn nivået av i dag tillèt. Arbeidsgivarforeininga for vekst- og attføringsbedrifter, ASVL, opplyser at det er eit årleg behov for minst 800 nye plassar i VTA. Fleire av høyringsinstansane peikar òg på at situasjonen er spesielt utfordrande for dei utviklingshemma, og at denne gruppa tapar i kampen om arbeidsplassar også innanfor tilrettelagt arbeid. Senterpartiet er bekymra for at mange som har behov for varig tilrettelagt arbeid, står i kø for å få plass. ASVL opplyser om at åtte av ti utviklingshemma går rett frå skulen og ut i arbeidsløyse. Eg gjentar: Åtte av ti utviklingshemma går rett frå skule og ut Eg høyrer at statsråden og regjeringspartia skryter av at dei har sett i gang ein inkluderingsdugnad for å få fleire i jobb. Denne inkluderingsdugnaden gjeld altså ikkje unge med utviklingshemming som ønskjer seg ein VTA-plass. Varig tilrettelagt arbeid er nøkkelen til inkludering og til å gi menneske med varig nedsette arbeidsevner moglegheit til å delta i arbeidslivet, anten i arbeidsbedrift eller i at regjeringa ikkje ser dette eller har vilje til å prioritera dette feltet

fra staten – spillemidler som går til aktivitet og til organisering. Denne omleggingen vil bety at finansieringen må tas av spillemidlene og betales tilbake til staten. Den store omleggingen og merkostnaden vil ha stor betydning for aktivitet nasjonalt og regionalt. Høyreregjeringen, med Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og

medlem og tillitsvalgt sammenhengende i 40 år i norsk idrett – lokalt, regionalt og nasjonalt. Regjeringen snakker hele tiden om hvor viktig frivilligheten i Norge er. At ansatte rundt omkring i alle disse organisasjonene som gjør et nyttig arbeid hver eneste dag, om det er nasjonalt, regionalt eller lokalt, skal straffes gjennom ekstrakostnader ved denne omleggingen, synes jeg er helt urimelig. Jeg kan nevne Olympiatoppen, om det er på Sognsvann eller i Trondheim, som får 15,7 mill. kr i ekstrakostnader med denne innføringen i 2023. Bare i Trøndelag utgjør det mer enn 1 mill. kr i kostnader – kostnader som frivilligheten og idretten må dekke selv, enten gjennom spillemidler eller gjennom andre innsamlede inntekter.

brannskadde som blir fratatt støtten til fysioterapi. Tidligere sosialpolitisk talsperson og nå minister for Høyre, Torbjørn Røe Isaksen, har sagt: «Norge tåler økte forskjeller.» Kristin Clemet fra Høyre har sagt: «Forskjellene i Norge er ikke kjempestore. Så lenge folk føler at forskjellene kommer av noe som er rettferdig, så vil ikke tilliten i samfunnet svekkes.» Men er det rettferdig at man kan se på smilet til ungene om foreldrene deres er fattige eller rike? Er det rettferdig at de som har bidratt til å bygge landet vårt, pensjonistene våre, skal gå i minus, mens andre går i pluss, eller at de som sliter med brannskader, skal få ekstra kostnader for å dekke fysioterapi? Nei – Clemet og Røe Isaksen tar feil. Arbeiderpartiet vil heller ha et mer rettferdig Norge, vi vil ha et Norge der arbeidsfolk får ordentlig betalt, der familiene får trygghet, og der lokalsamfunnene våre får framtidstro. Det er derfor vi er så ivrige i kampen for flere faste jobber over hele landet vårt. Det er derfor vi vil ha et helsevesen som sørger for at det offentlige tilbudet er så godt at det ikke spiller noen rolle om lommeboka er tjukk eller tynn. Og det er derfor vi sier klart nei til å ta pensjonen fra uføre og kutte deres økonomiske trygghet for framtiden. Vi tror på ekte frihet og på ekte fellesskap, og da er det naturligvis klokt å sørge for at pensjon og helse er noe vi sørger for i lag. Dette skal ikke bli et privatisert ansvar som folk blir tvunget til å stå for selv, alene i et marked. Tiden er overmoden for en ny regjering. Tiden er klar for et mer rettferdig

Og så går man rett på dem som har dårlig helse og rammer dem helt bevisst, mens man bruker, tror jeg, ca. fem sekunder på å spa millioner ned i lomma på de rikeste og friskeste i dette landet, som burde stå opp om morgenen og bidra mer. Det burde høyrepartiene ha mot til å si til folk. Eldrepartiet Fremskrittspartiet er en bløff. Det har vi sett før i dag ved behandlingen av kommuneøkonomien, der vi ser at de ikke prioriterer kommuneøkonomi, slik at vi kan få vekk de forferdelige historiene som er avdekt i omsorgen både av eldre og av andre som er avhengig av pleie. I denne saken er det trygdeoppgjøret og pensjonistene som sviktes. Pensjonistene reagerer skarpt på underreguleringen og på at saken ikke en gang skal diskuteres i Stortinget samtidig med trygdeoppgjøret. Jeg mener det er feigt av regjeringen å legge det opp på denne måten. De burde ha blitt løftet fordi underreguleringen slår ut feil. Det vet alle som sitter i denne salen nå, etter alle de årene dette har vært påpekt og vist. Fremskrittspartiet fortsetter å lyve om at det bare var Fremskrittspartiet som stemte mot pensjonsreformen. Det gjorde SV også. SV også. SV stemte mot pensjonsreformen og la endatil fram et eget forslag om et annet system. Det gjorde Fremskrittspartiet også, og det var at alle skulle bli minstepensjonister. Jeg har vært her lenge, så jeg vet det! Nå er det det samme: Fremskrittspartiet skylder bare på andre partier og på den forrige regjeringen for at dette ikke lar seg endre nå. Men Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet sier vi vil rette på dette. Det er flertall i Stortinget for dette nå, hvis Fremskrittspartiet virkelig vil. Hvis de virkelig mener at det er pensjonistene og de eldre som er viktigst, ville de fått mye mer ut av det hvis de hadde stemt for Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiets forslag når det gjelder både kommuneøkonomi og pensjonsoppgjør, og for det systemet som er rundt det. Vi får veldig godt demonstrert at det er noen partier som er for de få og de rikeste, og andre partier, som SV, som ønsker å være der spesielt for dem som er vanskeligstilt og sliter. Det vil gjøre samfunnet bedre, og jammen vil flere også kunne komme i arbeid hvis vi gjør det slik.

blir dermed ikke reell. Det blir ingen reell behandling i Stortinget. Det har regjeringa ensidig bestemt og er ikke til å rikke, selv om tidligere statsråd Robert Eriksson bedyret overfor Stortinget at det slett ikke var noe problem. Det finnes partier som mener noe annet, som Karin Andersen sa. Arbeiderpartiet mener også noe annet, men vi sitter ikke i dagens regjering. Arbeiderpartiet mener at rettferdig pensjon er noe av det viktigste i politikken. Høyre-regjeringa er uenig i det. Noen har gode pensjoner med rause tjenestepensjoner i tillegg. De har i tillegg nytt godt av regjeringas skattekutt til de rikeste. Det stemmer ikke, som Erlend Wiborg sier, at skattebyrden for pensjonister er redusert. Den er redusert for dem med de største pensjonene, men ikke for dem med de laveste. De tallene har vi fra Siv Jensen Det de med lite derimot har fått, er en merkbar realnedgang i verdien av pensjonene gjennom fire trygdeoppgjør på rad. De som ble pensjonister i 2014, har ikke opplevd et eneste oppgjør med pluss, kanskje bortsett fra i år – det kan bli 0,1 pst., vi vet foreløpig ikke. Dette vil Arbeiderpartiet gjøre noe med, men regjeringa vil ikke. Vi vil ha trygdeoppgjørene tilbake til Stortinget. Regjeringa sier nei. Vi vil endre reguleringen av løpende pensjoner, sånn at pensjonistene skal slippe å gå i minus når andre går i pluss. Regjeringa sier nei. Rene prosenttillegg gjør at inntektsforskjellene pensjonistene imellom øker etter hvert som årene går. Arbeiderpartiet vil at vi skal se på mulighetene for en omfordeling innenfor de rammene pensjonsforliket setter. Fattigdom, eller vedvarende lavinntekt, som det også heter, er høyere blant enslige minstepensjonister enn i befolkningen for øvrig. Det vil Arbeiderpartiet gjøre noe med ved nok en gang å øke minstepensjonen til enslige med 4 000 kr, men regjeringa sier nei og fortsetter å belønne dem som har råd til egen pensjonssparing, med skattekutt på 9 000 kr. Arbeiderpartiet vil ha en rettferdig tjenestepensjon med opptjening fra første krone. Regjeringa sier nei. Så sier Erlend Wiborg: Vi har økt minstepensjonen til enslige. Er det én eneste gang blitt fremmet et sånt forslag av Fremskrittspartiet i regjering? Nei, det har blitt fremmet i Stortinget av Arbeiderpartiet, og det har vært tatt opp av Kristelig Folkeparti i budsjettforhandlinger i Stortinget, men det har ikke vært fremmet av regjeringa. En debatt som begynner å gå mot slutten, viser at vi ser

– får en regning på nesten 180 mill. kr fra denne regjeringen fordi de skal begynne å betale arbeidsgiverandel av sine pensjoner i Statens pensjonskasse. Det er mulig det er en teknisk riktig løsning, men da burde det også vært orientert om hvordan man har tenkt å dekke opp de kostnadene for folk. Vi har hørt en komitéleder som snakker om justeringer i en

det som brukes på de unge i dag, men det står ingenting i budsjettet om hva det er. Jeg regner med at statsråden skal ha ordet til slutt, og da synes jeg statsråden burde si noe om hvor mye penger vi bruker på de unge mottakerne av arbeidsavklaringspenger i dag, sånn at vi fra Stortingets side også kan kontrollere at de pengene som nå tas fra de unge, og som skal brukes på tiltak, faktisk brukes til det. Den forrige endringen på arbeidsavklaringspenger har gjort at over 10 000 mennesker er uten inntektssikring – og det har altså økt med over 2 200 de siste årene. Det er en alvorlig situasjon for dem som rammes. Mange har i dag snakket pent om inkluderingsdugnaden. Dugnad er gratisarbeid, slik jeg forstår det. Da kunne det vært interessant å høre statsråden si noe om hvordan man har lyktes. Hvor mange flere med nedsatt funksjonsevne er nå ansatt i departementene? Jeg skulle også ønske at statsråden kunne si noe mer om ansatt i departementene? Jeg skulle også ønske at statsråden kunne si noe mer om det jeg spurte om i replikken til statsråden, for det kan jo ikke være sånn at departementet har kuttet 400 mill. kr gjennom ABE-reformen uten å ha den ringeste anelse om hvordan pengene har blitt kuttet. Det synes jeg statsråden burde bruke litt mer tid på i sitt sluttinnlegg. Og til representanten Tonning Riise: Vi kommer fra Innlandet begge to. Hvorfor skal vi ikke ha et a-krimsenter i Innlandet, der transportnæringen og bygg- og anleggsnæringen er en av de store næringene? Hvorfor trenger vi ikke å få på plass et a-krimsenter også i Innlandet? Vi vet det er behov for det også

Det er ikke økonomien som er årsaken. Den viktigste årsaken de fleste oppgir, er at de mener at fagforeningene ikke i tilstrekkelig grad ivaretar deres interesser, mens 40 pst., interessant nok, oppgir som årsak at fagforeningene har for sterk tilknytning til politiske partier. Men det hører vi aldri Arbeiderpartiet snakke om. I denne saken er det kun økonomiske insentiver som har noe å si.

nemlig LO i Oslo, er på studietur til Cuba stadig vekk. Der er det kun én lovlig fagorganisasjon, som er direkte underlagt kommunistpartiet. Det er heller ingen streikerett på Cuba, men det kunne LO i en reisereportasje fortelle skyldtes at slikt ble løst der før problemene oppsto. Det kunne jo være fristende å spørre representanten Moxnes om det er et slikt system han ser for seg i sitt samfunn. Jeg ser at Moxnes ikke er til stede, så da får vi i stedet vente på revolusjonen, men jeg mistenker at det blir litt som å vente på Godot. Når man hører på debatten som har vært her i dag, kan man spørre seg hvor givende debatten i utgangspunktet er, for det blir gjentatt direkte feil fra denne talerstolen. Hadde det ikke vært uparlamentarisk, ville jeg også sagt at noen sågar har kommet med løgn fra denne talerstolen. I 2013 var det, som jeg sa i sted, 370 mrd. kr man brukte over folketrygden til forskjellige velferdstiltak. Det er økt til 440 mrd. kr. Det er en økning. Det er fakta. Så kan man godt være uenig i hvor den økningen har kommet innenfor folketrygden. Jeg registrerer at det fra denne talerstolen blir brukt ord som «banditter» om dagens regjeringspartier, uten at presidenten reagerer. Det ble sagt at vi går etter folk, at man har som mål nesten å gjøre livet ille for folk. Sånn er det ikke, og alle i denne salen vet det. Ingen blir med i politikken for å skape et dårligere samfunn. Alle blir med i politikken for å skape et bedre samfunn. Så kan man godt være uenig om hvilke virkemidler man skal ha. Sosialistisk Venstrepartis Karin Andersen kommer med direkte feil. Sosialistisk Venstreparti stemte for pensjonsreformen, stemte for underreguleringen, stemte for det lov- og avtaleverk som regulerer pensjonene. Det ligger heldigvis i referatet og i voteringene i Stortinget fra 2008, 2009 og 2011, og da synes jeg representanten Karin Andersen bør være såpass redelig at hun innrømmer det. Arbeiderpartiet snakker om sin skattepolitikk overfor pensjonistene.

De stemte imot da vi fikk gjennomslag for å redusere avkortingen fra 15 pst. til 10 pst., noe som utgjorde 8 000–9 000 kr. Arbeiderpartiets representant sa i sted at 8 000–9 000 kr tydeligvis ikke var så mye, men for landets pensjonister er det mye penger. I meldingen som vi har til behandling i dag – selv om noen later som om vi ikke har den til behandling

trygdeavtaler. Det har jeg fortalt Lundteigen før. Det er fordi vi mente merknaden var upresis. Den kunne lett leses som at vi ikke kan vedta nye folketrygdregler i Norge, men det kan vi altså. Det er ingen harmonisering av trygderegler i EØS. Det er først når man benytter seg av den frie mobiliteten, at dette skjer, og det har vi aldri prøvd å tilsløre. Det sa vi selv da vi satt i regjering, i en stortingsmelding i 2013. Da var vi med på felles komitémerknader hvor det står eksplisitt at EØS-avtalen avgrenser hva vi kan foreta av trygdeeksport. Så skulle jeg gjerne hatt mer tid til å svare Erlend Wiborg, men vil bare si helt til slutt at det står svart på hvitt at pensjonistene har fått det bedre økonomisk, men det har pensjonistene fikset selv gjennom høyere opptjening. Det er ikke Fremskrittspartiets fortjeneste.

Heller enn å jobbe for å beholde dette unike ved det norske arbeidslivet knives vi om hvem som vil det mest. Når venstresiden beskriver arbeidslivet, brukes eksempler fra ytterkantene. Dette brukes som grunnlag for debatter der Stortinget lager regelverk som skal sikre et anstendig arbeidsliv. Da må vi se på de store linjene og ikke regelsette ut fra unntakstilfellene. Det bekymrer meg at venstresiden igjen skal til kamp mot innleie, og at de vil stenge private aktører ute fra velferden. Det bekymrer meg også at vi har et høyt sykefravær og en høy andel uføre, og at dette kan gi smitteeffekter. En studie ved Universitetet i Stavanger tok for seg uføretrygd og nedbemanning i en kommune og effekten det hadde på personer i nabolaget til de trygdede. Forskerne fant at om 50 personer i en kommune med 5 000 mennesker ble uføretrygdet på grunn av nedbemanning, ville ytterligere 25 personer bli trygdet de nærmeste årene i ren smitteeffekt. Derfor er den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv viktig, med sitt fokus på å forebygge og redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Det skal særlig jobbes med forebyggende arbeidsmiljøarbeid, som faktisk er den mest lavthengende frukten i arbeidet med å redusere sykefraværet. Utfordringen er at så få vet hva arbeidsmiljø faktisk handler om. Vi tror det handler om teambygging i skauen og kake i Bedrifter tilbyr mindfulness-kurs av frykt for høye skuldre og tidsklemma. Tiltakene for et bedre arbeidsmiljø er mange og kreative. Dessverre er det færre som jobber med det som faktisk betyr noe for arbeidsmiljøet, nemlig hvordan arbeidet organiseres, planlegges og gjennomføres. Hvordan man gjør dette på den enkelte bedrift, påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater. Den gode nyheten er at lavere fravær også gir smitteeffekter. Vi trenger derfor gode ledere som jobber med arbeidsmiljøet, samtidig som Stortinget må sørge for at regelverket er hensiktsmessig, og at det balanserer hensynet til den enkelte arbeidstaker opp mot hensynet til den enkelte bedrift. Disse to er gjensidig avhengig av hverandre, og i all hovedsak preges dette av gode relasjoner – mye på grunn av den norske modellen og trepartssamarbeidet. Høyre er for et organisert, ryddig og anstendig arbeidsliv. La oss ta vare på dette og sammen videreutvikle det – for et bærekraftig velferdssamfunn også i framtiden. Og husk: Det kan være mye god helse i å kunne gå på jobb, men det fordrer et godt arbeidsmiljø og gode

at man ikke ser at også offentlig sektor faktisk fra tid til annen må omstille seg. 0,5 pst. er ikke spesielt høyt. Jeg sier ikke at det er enkelt å omstille seg, men også offentlig sektor må være med på det. Man gjør det gjennom IKT-satsinger, man gjør det gjennom husleiekontrakter, man gjør det gjennom andre typer tiltak, og vi ser at det går bra, at det frigjør ressurser til å jobbe mer direkte med brukerne. I mitt tilfelle er det da i Nav. Når det gjelder inkluderingsdugnaden, er det slik at vi nå har et godt arbeidsmarked. Det skapes jobber over hele landet, og i flere bransjer er det etterspørsel etter folk. Vi mener vi nå må bruke de gode tidene nettopp til å inkludere flere av dem som står på utsiden av arbeidsmarkedet i Norge. Derfor har vi lansert inkluderingsdugnaden, som bygger på tre pilarer. Den bygger på at vi skal støtte arbeidsgiverne som ønsker å ansette én til gjennom lønnstilskudd, mentorordninger og den type tiltak. Det andre er at vi ønsker å bedre samarbeidet mellom helse og arbeid, fordi vi ser at mange av dem som står på utsiden av arbeidslivet, har helseplager, og hvor arbeid kunne vært en viktig del av behandlingen. Vi ønsker å bedre opplæringsmulighetene for dem som går på Nav, fordi vi ser at bortimot halvparten av dem som går på Nav, har grunnskole som høyeste fullførte utdanning i et arbeidsmarked som krever kompetanse. Derfor endrer vi også opplæringstiltakene til Nav. Og vi har satt som krav at 5 pst. av alle nyansettelsene i staten skal være for inkluderingsdugnadens målgrupper. Her har også kommunalministeren sendt ut flere forslag på høring til hvordan man skal kunne øke rekrutteringen nettopp i staten. ungdom: Over mange år, fra 2008 til 2013, økte antall ungdom utenfor jobb, skole og aktivitet betydelig. Det er et stort samfunnsproblem når ungdom blir stående utenfor. Derfor har vi iverksatt en egen ungdomsinnsats, vi har iverksatt aktivitetsplikt for unge på sosialhjelp, vi har iverksatt en fraværsgrense i skolen – og nå dette tiltaket med unge på AAP. Vi ser nå at det er færre unge på sosialhjelp, flere fullfører og består skolen, og det er viktig nettopp for å unngå lange, passive stønadsløp. Så jeg vil i all beskjedenhet si at den politikken vi har ført, vil føre til mer inkludering og mindre frafall. Tallene viser at færre funksjonshemmede er i jobb nå enn for noen år siden. Da

ned. Det er riktig at utgiftene på dette budsjettet øker, men det er fordi mange flere eldre har blitt pensjonister og har opparbeidet seg høyere pensjon. Når Fremskrittspartiet mener det jeg sier er feil, tar Fremskrittspartiet feil. Vi stemte mot. Da vi gikk inn regjering, måtte vi akseptere pensjonsreformen som de andre partiene hadde vedtatt i Stortinget – mot SVs og Fremskrittspartiets stemmer akkurat som Fremskrittspartiet aksepterte pensjonsreformen da de gikk i regjering. Nå er det flertall for å se på noen uheldige virkninger av pensjonsreformen. Da burde Fremskrittspartiet ha såpass mot at de kunne være med på det. En representant fra Høyre holder et innlegg og snakker om ytterkantene i arbeidslivet og at dem skal vi ikke bry oss noe om. Jo, det er der de vanskeligstilte er, det er det arbeidsmarkedet som man skal tilby de vanskeligstilte, og det er der problemene er. Man viser også til en del forskning. Jeg skulle ønske at Høyre kunne lese noe av den forskningen som viser at helse er kjempeskjevt sosialt fordelt. Den rammer veldig skjevt, og det gir seg utslag i skole, i inkludering, i arbeidsliv – i hele livet. livet. Da er kutt i ytelser og ordninger for dem som har dårlig helse og har mistet jobben, rett og slett ødeleggende. Tenk om Høyre kunne lest forskningen som viser hvor ødeleggende fattigdom er for helse, håp og muligheter. Jeg kjenner en del foreldre som har opplevd Høyres kutt. kutt. De har det vanskelig og sliter med å få endene til å møtes, de sliter med skam og med at barna deres bli påført skam, fordi de hele tiden får høre at det er deres egen feil. Hvis de hadde gjort som vi hadde sagt – som Høyre, Fremskrittspartiet og regjeringen hadde sagt – hadde dette gått bra. Slik er ikke livet, slik er ikke arbeidslivet. Dessverre har vi nå en regjering er ikke arbeidslivet. Dessverre har vi nå en regjering som ikke tar inn over seg de ødeleggende virkningene av fattigdom. I en tid da vi har så mye penger som vi aldri har hatt før, verken privat eller i staten, er vi nødt til å kutte i briller, småpenger, barnetillegg, i det ene etter det andre, bare for å ramme de mest

Den viste at økningen i fagforeningsfradrag som den rød-grønne regjeringen hadde fra 2001 til 2012 førte til at organisasjonsgraden var 3 pst. høyere enn den ellers ville ha vært, og at produktiviteten ville ha vært 6 pst. lavere hvis man ikke hadde gjennomført økningen i fagforeningsfradraget. For Norges del ville det ha betydd 170 mrd. kr i tapte inntekter bare i 2017. Vi vet også at dyktige arbeidstakere søker seg til organiserte bedrifter. Vi ser i rapporten at ansatte i organiserte bedrifter er mer lojale overfor sin arbeidsgiver. Bedrifter som har en økning i organisasjonsgrad, viser en klar sammenheng: 1 pst. økning i organisasjonsgrad tilsvarer en produktivitetsøkning på 1,8 pst. Det er selvsagt ikke fordi de vil skade næringslivet at høyresiden svekker fagforeningsfradraget. Det fordi de vil skade næringslivet at høyresiden svekker fagforeningsfradraget. Det er rent ideologiske årsaker til det. De ønsker å svekke fagbevegelsen. Alle forslag vi fremmer, enten om økning i fagforeningsfradraget eller om å gi mer til makt til fagforeningene, stemmer høyresiden konsekvent ned. ned. All politikken deres for oppsplitting av statlige selskaper og det at man nekter for at man skal ha bedre muligheter for å organisere seg på tvers av statlige selskaper, viser at de ønsker å svekke fagbevegelsens betydning i det norske arbeidslivet. De ønsker økte forskjeller. Nettopp gjennom å svekke fagbevegelsen kan de oppnå det, og det lykkes regjeringen med. Statsråden snakker om ABE-reformen. Det er ingen reform; reform; det er ren kuttpolitikk. Det utløser ingen reform av offentlig sektor. Tvert imot: Det rammer tjenestene, det rammer arbeidslivet – gjennom bl.a. kuttene som Arbeidstilsynet blir påført, som gjør at det blir færre tilsyn – og det rammer ikke minst arbeidsforholdene for dem som jobber i disse virksomhetene. Arbeiderpartiet ønsker verdens beste offentlige sektor. Det får vi ikke ved å sette kniven mot strupen til de ansatte. Det får vi hvis vi lar de ansatte slippe til

og da hadde man kanskje heller ikke brukt ordet «justere» om de kuttene som er foretatt, for de er faktisk ganske store.

men på den andre siden er det sosiale sikkerhetsnettet avhengig av at flest mulig deltar i arbeidslivet, og disse to tingene henger sammen. Jeg må innrømme at jeg i grunnen er litt glad for at opposisjonen er så tydelig i sin motstand mot endringer, for etter innføringen av aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere så vi flere flere på arbeidsavklaringspenger nå raskere og tettere oppfølging etter de endringene som ble gjort i 2018, etter ikke å ha fått den lovede oppfølgingen som den rød-grønne regjeringen lot være å gi da de innførte ordningen i 2010. Flere blir avklart raskere til arbeid, og flere får raskere innvilget den uføretrygden de har krav på. Ordningen med arbeidsavklaringspenger fungerte jo ikke. Det var grunnen til at vi måtte gjøre endringer. Det er en grunn til at arbeidslivsforsker Markussen ved Frischsenteret kalte den «et rullebånd ut av arbeidslivet». Han mente at den låste folk inn i varig utenforskap, varig fattigdom. Det har regjeringen endret på, mot Arbeiderpartiets, SVs og Senterpartiets stemmer. Jeg gjentar: Det er usosialt ikke å endre på ordninger vi ser ikke fungerer eller ikke er relevante. Det kan representanten Christoffersen harselere med, men vi følger faktisk anbefalinger fra SINTEF, Sysselsettingsutvalget og Nav når det gjelder å få unge av det rullebåndet, noe som Arbeiderpartiet i dag stemmer Av irrelevante ordninger kan jeg nevne at vi også opphever støtte til teksttelefon, rett og slett fordi vi ikke lenger produserer teksttelefoner i Norge, og da synes vi det er greit faktisk å fjerne den ordningen. Jeg minner om at da Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet satt ved makten, hadde de høyere skatter, de hadde høyere avgifter, de hadde rekordhøye oljepriser og en økonomi i vekst. Allikevel økte helsekøene, AAP-ordningen fungerte ikke, og det ble 15 000 flere fattige barn. Jeg kan nå fortelle at de 10 pst. rikeste i Norge betaler mer personskatt under denne regjeringen enn da de rød-grønne satt i regjering. Denne regjeringen endrer for å bevare velferdsstaten for alle. Vi har økt barnetrygden, vi har innført gratis kjernetid i barnehagen, det er færre i sykehuskø, og ja, vi gir lavere skatter og avgifter, sånn at de som inkluderes, får en jobb å gå til i et robust næringsliv. Når det gjelder beskrivelsene av et sosialt sikkerhetsnett som rakner, fra SV, og innleggene fra representantene Sandtrøen og Grande, minner det meg litt om valgkampen i 2013, med alle fryktoppslagene. Dette gir meg godt håp for at vi vinner igjen i 2021. Folk kjenner seg ikke igjen. igjen. Nasjonalforsamlingen vår, Stortinget, er en arena for interessekamp. Det handler om hvordan vi skal bruke de pengene vi har, om de skal komme det brede lag av befolkningen til gode eller om samfunnets ressurser og penger skal samles på færre hender. Det er jo en ærlig sak å ha ulike syn på hvordan fordelingen skal være. Jeg har mye mer respekt for politiske motstandere som er ærlige på hva de tenker, og jeg har ganske stor respekt for det sitatet jeg nevnte i stad, den uttalelsen som Torbjørn Røe Isaksen kom med tidligere som sosialpolitisk talsperson, hvor han var åpen om at han mener at Norge tåler økte forskjeller. Senere har Høyre lagt om til en retorikk som forsøker å tilsløre det som er Røe Isaksens og partiets ærlige mening. mening. Det samme opplever vi fra representanten Hagerup. Det er i denne salen helt ulike syn på lover og hvordan vi skal fordele ressursene. La meg ta tre eksempler. Her om dagen diskuterte vi om vi skal ha en lov som sørger for at fylker har et eget ansvar for å følge opp store bedrifter som skal nedlegges, det som kalles omstillingsloven. Grunnen til at Arbeiderpartiet er for den, er at vi representerer interessene til arbeidstakere og lokalsamfunn over hele landet. Da er det viktig for oss at hvis det er en mulighet for å redde en bedrift, skal vi sørge for fortsatt aktivitet og arbeidsplasser. Høyre representerer interessene til dem som har formuer, og da er det logisk at det er en fordel å kunne flytte vekk de pengene uten noen form for og ekstra tidsbruk på å skulle følge opp lokalsamfunnene og mulighetene for videre drift. Det er en ærlig sak, men vi er uenige. Det samme går på forvaltningen av naturressursene våre i Norge. Arbeiderpartiet prioriterer at naturressursene skal bidra til verdiskaping, arbeidsplasser og sysselsetting. Høyre representerer ideen om at det skal kunne være et formuesobjekt som man skal kunne kjøpe og selge etter eget Det er også en ærlig sak, men det har veldig ulike konsekvenser. Det betyr f.eks. for min region og mitt fylke at Høyre-politikere støtter opp under at store skogeiendommer skal kunne kjøpes og selges uten at det er noe krav til lokalt eierskap og dermed verdiskaping og tilbakevirkende ringvirkninger for folk flest. Vi er uenige. Det samme er tydelig hvis man ser på Høyre-medlem Pål Atle Skjervengen. Han har sagt at sosial dumping nærmest bare er en teoretisk abstrakt idé. Men så legger han til at hvis det bidrar til å presse lønninger ned på et lavt europeisk nivå, er han allikevel for. Representanten Karin Andersen har hatt ordet to gonger tidlegare og får ordet til ein kort merknad, avgrensa til 1 minutt. Andersen har hatt ordet to gonger tidlegare og får ordet til ein kort merknad, avgrensa til 1 minutt. SV har foreslått aktivitetsplikt for Nav. SV har foreslått flere tiltak i Nav, slik at folk faktisk kan få hjelp. SV har foreslått at folk skal få skaffe seg kompetanse gjennom Nav, slik at de kan få en jobb. Det regjeringen har gjort, er at de har kastet tusenvis av uavklarte mennesker ut av arbeidsavklaringspenger mange av dem uten rett til sosialhjelp engang. Og så står man her og sier at da har man ordnet systemet bedre. Det er feil. Jeg skjønner at representantene fra Høyre og jeg snakker med veldig forskjellige mennesker. Jeg snakker med dem det gjelder, de som er rammet av dette, og de har ikke fått bedre hjelp. Tvert imot har de havnet i et økonomisk uføre som gjør helseproblemene større, og som gjør at de står milevis lenger unna arbeidslivet nå enn de gjorde før før kuttene. Representanten Nordby Lunde tok til orde for å endre ytelser og ordninger innenfor Nav. Vi er mange som kan være enige om at vi hele tiden har behov for endringer – gjøre systemene bedre, gjøre det enklere for folk å komme ut i arbeid og sørge for at vi hjelper folk enda litt mer. Men det er ikke det endringene som vi nå diskuterer, gjør. Endringene vi nå diskuterer, kuttene i arbeidsavklaringspenger for unge, er en nedbygging av ordningen. Man fortsetter å gjemme seg bak sysselsettingsutvalget. Utvalget er todelt, og de er ikke ferdig diskutert i andre enden, men det får nå så være. Men det delen anbefaler, er en differensiering for dem på 23–24 år, mellom borteboende og hjemmeboende. Men jeg kan ikke se at dette er noe regjeringen eller representanten derfra tar til orde for. Det de derimot gjør, er å gjemme seg bak deler av sysselsettingsutvalgets anbefaling. Jeg har lyst til å sier nå at lavere minsteytelser vil kunne føre til at flere får behov for supplerende sosialhjelp – sosialhjelp er en behovsprøvd ytelse hvor arbeidsinntekt avkortes krone for krone. Insentivene for å øke deltakelsen i inntektsgivende arbeid er derfor i utgangspunktet svakere. Vi skal alltid være villig til å diskutere ordningene, gjøre dem bedre, styrke dem. Men det som brukes som argumenter for å svekke dem, gjør det litt vanskeligere. Det vil vi aldri godta. Debatten i sakene nr. 4 og 5 er dermed avsluttet. Etter ønske fra justiskomiteen vil presidenten ordne debatten slik: Det blir 5 minutter til hver partigruppe og
om å endre tidspunktet som legges til grunn ved vurdering av voldsoffererstatning i gjenopptakelsessaker, fra å være tidspunktet for den skadevoldende handlingen til tidspunktet for domfellelsen, og om å gi regelverksendringene tilbakevirkende kraft. Komiteen har vist til Videre vil det, innenfor den fordelte taletid, bli gitt anledning til inntil fem replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen. De som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Jeg vil også begynne med å takke komiteen for et godt samarbeid og rask framdrift i saken og ikke minst takke vår eminente komitésekretær, som henger med i svingene.

De aller fleste av disse sakene har endt til gunst for tiltalte. Kun én sak har endt til ugunst for tiltalte, den såkalte Kristin-saken, der tiltalte ble dømt for drapet på Kristin Juel Johannessen i 1999. Dom i denne saken falt i 2016, hele 17 år etter hendelsen. I denne saken ble gjerningsmannen dømt til å betale erstatning til offerets foreldre. Imidlertid avslo Kontoret for voldsoffererstatning kravet, med henvisning til voldsoffererstatningsloven § 19, som slår fast at lovens kapittel 2, om utmåling av voldsoffererstatning, ikke kommer til anvendelse for straffbare handlinger som har funnet sted før lovens ikrafttredelse. Dette medførte at det avgjørende i Kristin-saken ble tidspunktet for når den straffbare handlingen hadde funnet sted, ikke tidspunktet for domfellelsen. Kristins foreldre fikk dermed ikke erstatning, selv om retten slo fast at de hadde krav på Forslagsstillerne har i begrunnelsen for forslaget vist til at Kristin-saken reiser prinsipielle spørsmål. De har vist til at det framstår som sterkt urimelig og ikke i tråd med grunnlaget for ordningen med voldsoffererstatning. På denne bakgrunn har Arbeiderpartiet foreslått endringer i reglene om voldsoffererstatning og å gi disse reglene tilbakevirkende kraft – som er det forslaget vi her behandler. Justiskomiteen ba i oktober om ministerens vurdering av dette forslaget, og justis- og innvandringsministeren skrev i brev til komiteen at de arbeider med oppfølgingen av NOU 2016: 9, Rettferdig og forutsigbar Ministeren skriver videre at departementet ser på en rekke problemstillinger, herunder anmodningen fra Stortinget i 2018 om å be regjeringen følge opp NOU-en og komme tilbake til Stortinget med en vurdering av behovet for å endre regelverket på nettopp dette feltet. Arbeidet med få i stand regelverksendringer som sikrer voldsofre i eldre saker og gjenopptakelsessaker, er altså et arbeid som regjeringen er i gang med, og ministeren understreker også til komiteen at regjeringen tar sikte på å legge forslag om ny lov om voldsoffererstatning fram for Stortinget allerede neste år.

saker. Derfor fremmet også Fremskrittspartiet i 2012 forslag om å be regjeringen endre nettopp dette, og om at denne endringen skulle gå ut på å gi alle voldsofre krav på inntil 60 G i erstatning. På det tidspunktet fikk ikke forslaget flertall. Med utgangspunkt i dette er vi fra regjeringspartiene veldig glad for at regjeringen følger opp og sier at den skal se på lovendringer. Vi er utålmodige, vi ønsker å få på plass et regelverk raskt, og vi er derfor takknemlige for at justis- og innvandringsministeren nå sier at dette vil bli fulgt opp i løpet av 2020. Skal representanten ta opp forslag? Ja,

Nok en gang har vi til behandling en sak Arbeiderpartiet, og særlig Lene Vågslid, har kjempet utrettelig for – en sak hvor urett må rettes opp. Saken er for vår del prinsipiell, selv om vi alle vet at den per i dag gjelder én familie i Norge. Den berører direkte saken om erstatning til Kristin Juel Johannessens foreldre, som fikk sin datter drept i 1999 en erstatning lagmannsretten tilkjente foreldrene da gjerningsmannen ble dømt til 13 års fengsel i 2016, 17 år etter drapet. Som alle her godt vet, er dette en erstatning de allikevel ikke vil få utbetalt, med mindre vi som sitter i denne sal, vil endre regelverket. Derfor må regelverket endres. Dette er uverdig. Det er tre år siden vi fremmet denne saken, og tredje gang forslaget fremmes, er begrunnelsen den samme. Det er rett og slett sterkt urimelig, og ikke i tråd med grunnlaget for ordningen med voldsoffererstatning, at mennesker som har blitt offer for svikt i politiets arbeid, og som har måttet vente i årevis for å få en avklaring og domfellelse i sin datters drapssak, skal frarøves muligheten til å få utbetalt de pengene retten har tilkjent dem, fordi regelverket om voldsoffererstatning ikke er tilpasset gjenopptakelsessakene. Saken er etter vår mening også i strid med den alminnelige rettsfølelsen. I tillegg til Arbeiderpartiet vil SV og Senterpartiet støtte forslaget som skal sørge for å rette opp uretten mot ofres foreldre. Som sagt har denne saken en lang historie, slik også behandlingen av den har. Regjeringspartiene har ikke vært uten forståelse, Kristelig Folkeparti, ved nåværende leder Kjell Ingolf Ropstad, riktignok før Kristelig Folkeparti gikk inn i regjering, takket forslagsstillerne og erklærte fra denne talerstol at man var enig i at vi ikke kunne ha et system som gir urettferdige konsekvenser. På tross av disse ord vil ikke Kristelig Folkeparti støtte forslaget, men har fremmet et eget, som lyder som følger: «Stortinget ber regjeringen i forbindelse med sikre at voldsoffererstatningsordningen omfatter voldsofre fra eldre saker og gjenopptakelsessaker.» Det fikk flertall. I denne saken mener flertallet fra Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet at det er sterkt kritikkverdig at regjeringspartiene ikke følger opp egne lovnader og uttalelser gitt i forbindelse med tidligere behandling av saken. saken. Selv om de tidligere har sagt seg enig i at avvisning av erstatning til offerets foreldre ikke er et rimelig utfall, har de likevel ikke sørget for at regjeringen gjør de endringene som er nødvendige. Det kravet man har på erstatning, blir kun teoretisk med dagens ordning. Fordi man ikke får det utbetalt, er det svært uheldig og framstår ikke i tråd med At det ikke skal være anledning til å utbetale den voldsoffererstatningen som retten har tilkjent i gjenopptakelsessaker, framstår som en problemstilling lovgiver ikke har tenkt over. Her står vi overfor et hull i regelverket som må tettes igjen. Dette vil kun gjelde et fåtall saker – kun gjenopprettelsessaker som har fått et resultat til ugunst for tiltalte. Det at regelverket gis tilbakevirkende kraft, vil kun ha betydning for én sak. Flertallet i komiteen, bestående av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, mener fremdeles at denne uretten må rettes opp nå, og viser til innstillingen. Det er positivt at regjeringspartiene nå fremmer forslag om at ny lov skal komme til neste år, men det har tatt for lang tid, og det blir ikke bedre av den grunn. Det er ikke nok. Arbeiderpartiet har derfor fremmet et løst forslag vi håper kan få tilslutning og på denne måten sørge for at gjenopptakelsessaker er med. I tillegg er det viktig for Arbeiderpartiet å befeste tidspunktet. Forslaget har følgende ordlyd: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag til ny lov om voldsoffererstatning som sikrer at voldsoffererstatningsordningen omfatter voldsofre fra eldre saker og gjenopptakelsessaker, og legger denne frem for Stortinget i løpet av våren 2020.» Jeg tar med dette opp Arbeiderpartiets forslag.

Eg har forståing for at det har vore tidkrevjande for departementet å utarbeide eit framlegg til ny lov om valdsoffererstatning. Det er mange ulike problemstillingar departementet må ta stilling til. No begynner det likevel å ta for lang tid før framlegget kjem, og eg meiner det er nødvendig å Når det er sagt, er eg positiv til utsegnene frå regjeringspartia om at vi kan forvente at ei ny lov om valdsoffererstatning blir lagt fram for Stortinget i løpet av 2020. Eg meiner likevel at vi må kunne gå lenger enn det representantane frå Høgre og Framstegspartiet vil. Det bør kome tydeleg fram av Stortingets vedtak i dag at framlegget om ny lov om valdsoffererstatning skal sikre at valdsoffererstatninga omfattar valdsoffer frå eldre saker og gjenopptakingssaker.

Det er en kjempefin og flott ordning. Nå skal vi ikke behandle selve ordningen her, men jeg tror vi skal minne oss på at dette er en ordning som vi ikke nødvendigvis må ta for gitt, at vi også bruker denne debatten til å minne oss på hvor fint dette egentlig er. Vi behandler altså tidspunktet for når vi skal beregne selve voldsoffererstatningen. Vi ønsker at reglene skal justeres slik at ordningen skal gjelde for alle, uansett tidspunktet beregnes på en slik måte at de som ut fra prinsippet om voldsoffererstatning har rett på det, faller utenfor – slik det er nå, slik det er i eksemplet som blir hentet fram. For meg er dette en veldig enkel sak å ta stilling til. Jeg hører også at det ikke er veldig store motforestillinger mot å gjøre endringer på dette. på dette. Vi debatterer dette i Stortinget i all hovedsak for å tette et hull i en ordning hvor vi har avdekket noen svakheter. På det prinsipielle er vi enig, og vi ber om at regjeringen setter fortgang i å få ryddet opp i dette, slik at dette blir tettet på en best mulig måte. SV kommer til å støtte også det løse forslaget som Arbeiderpartiet har framsatt i

og vi er i utgangspunktet enig med forslagsstillerne i saken, men i dag stiller vi oss bak regjeringspartienes forslag til løsning. Vi opplever at dette forslaget ivaretar Kristelig Folkepartis intensjon om en grundig og god saksbehandling av saken og viktigheten, slik at vi får framlagt et lovforslag, tidfestet til 2020. Når vi oppdager at et system gir urettferdige konsekvenser, er det en av våre fremste oppgaver sørge for at det blir ordnet. Derfor tok Kristelig Folkeparti initiativ til å starte arbeidet med denne endringen i denne loven allerede i behandlingen av NOU 2016: 9, og vi er glad for at regjeringen nå følger opp forslaget i et helhetlig arbeid knyttet til en rettferdig og forutsigbar voldsskadeerstatning. I en så viktig sak er det helt avgjørende for dem det gjelder, at vi har en grundig gjennomgang av lovverket. Når det blir lagt fram forslag til endringer, må vi sikre at vi har fått vurdert om det er flere tilfeller som skal ses i sammenheng. Det er viktig for å sikre at tilfeller ikke blir utelatt. Kristelig Folkeparti mener loven må endres slik at tidspunktet for når man har rett på voldsoffererstatning, endres fra handlingstidspunkt til domstidspunkt. Vi mener også at regjeringen må vurdere om andre tilfeller bør innlemmes i ordningen. Folkeparti er ikke imot forslaget fra forslagsstillerne, men vi er for å ta det i en større sammenheng. Jeg har møtt pårørende i slike saker, og det gir sterke inntrykk. Derfor er det viktig at vi her gjør et grundig arbeid. Vi har fått et tydelig signal i statsrådens svarbrev, som sier at departementet følger opp Kristelig Folkepartis anmodningsforslag fra 2018 og hvordan det nå kan imøtekommes i ny lov. Dette skal gjøres i forbindelse med oppfølgingen av NOU 2016: 9, Rettferdig og forutsigbar – voldsskadeerstatning. Det er viktig for oss å si at Kristelig Folkeparti også er opptatt av å få tilbake en løsning som sikrer likebehandling, og et klart regelverk som legger til rette for effektiv saksbehandling og avgjørelser av høy kvalitet. Derfor ser vi fram til et grundig beslutningsgrunnlag når vi får framlagt forslag til ny lov allerede til neste I arbeidet med lov om voldsoffererstatning er det videre viktig å få på plass et regelverk som er tilpasset gjenopptagelsessaker. Ofre i slike saker må få utbetalt den voldsoffererstatningen retten mener de har krav på. Det er en stor forskjell på det å ha en reell mulighet for erstatning og det å ha et teoretisk krav, slik man kan si at ordningen fungerer i dag.

og forskriften, slik at tidspunktet som legges til grunn ved vurdering av voldsoffererstatning i gjenopptakelsessaker, går fra å være tidspunktet for den skadevoldende handling til tidspunktet for en domfellelse av skadevolder. Som komiteen peker på, vedtok Stortinget to anmodninger til regjeringen 10. april 2018.

men det har vært og er viktig at vi ser på hele voldsoffererstatningsordningen og hvordan den bør innrettes. Bakgrunnen for det er at voldsoffererstatningsloven er komplisert. Den er vanskelig tilgjengelig, og vi er nettopp derfor nødt til å ta et helhetlig grep for å sikre en mer treffsikker, effektiv og ikke minst forutsigbar ordning. Det er en rekke endringer og en rekke endringer i viser at denne ordningen trenger å bli mer forutsigbar. En av grunnene til at vi står med denne saken nå, er at det har vært mange forskjellige satser opp gjennom tidene. I tillegg til NOU-en fra 2016 har departementet innhentet en omfattende kvalitativ kartlegging av ordningen og en kvalitativ analyse som tar for seg virkningen av voldsoffererstatning, med brukere og samfunnseffekter

dette skal være en god lov, det skal være en lov som fungerer for alle – og at vi da forhåpentligvis slipper å komme tilbake igjen til Stortinget for å korrigere loven fordi den får uheldige utslag. Derfor kan jeg ikke love at jeg greier å få loven ferdig før våren 2020, men det skal ikke herske noen tvil: Denne saken kommer til å bli prioritert i departementet. Det blir replikkordskifte. Er

Men vi må samtidig se på at når vi innfører ett tidspunkt, skjæringstidspunktet, for når voldsoffererstatning skal utbetales i gjenopptakingstilfeller, må vi også se på om det da blir prinsipielt viktig å gjøre det i alle typer saker. Så det er mer der problemstillingene har stått for departementets arbeid. Vi er fullstendig klar over at denne enkeltsaken har gitt et urimelig resultat for den

Det er mange ting her som skal avklares. Det er mange viktige ting her for brukerne som skal avklares. Det handler bl.a. om retten til advokat, hvordan man skal gjøre det når det f.eks. er to voldsmenn som sammen har blitt dømt for samme beløp, hvor den ene kan betale og den andre ikke kan betale. Det er så mange sånne typer problemstillinger. Jeg mener at de som har blitt utsatt for vold, fortjener å få en ordentlig og god voldsoffererstatningslov nå, som er basert på gode og gjennomtenkte tanker. Det er nettopp derfor man har fått en NOU, for å kunne ha et godt grunnlag for en sånn type lovarbeid, og da tar det av og til litt tid. Jeg takker for svaret. Jeg har respekt for at det tar tid, men jeg opplever jo da at statsråden ikke vil anbefale sine samarbeidspartier og sitt eget parti å støtte Arbeiderpartiets løse forslag om at ny lov må komme før sommeren 2020, og at en må sikre gjenopptakelsessakene, slik vedtaket sier. Likevel hadde det nå vært fint om vi kunne få en begrunnelse for hvorfor dette ikke er mulig. Som jeg sa fra talerstolen nå nettopp, kan det av og til være greit å bruke den tiden man trenger, til å kvalitetssikre, og at man er sikker på at man faktisk greier å treffe på en riktig måte, slik at man ikke må komme tilbake til Stortinget med uforutsette problemstillinger som dukket opp fordi man skulle skynde seg og lage ferdig en lov. Lovarbeid tar lang tid, og denne salen har jo mange ganger vært vitne til at hvis man skynder seg for mye, kan det oppstå uforutsette problemstillinger som man ikke tenkte over. Jeg tror dette kommer til å bli en veldig god lov for dem som er så uheldige å være utsatt for vold, og jeg tror det blir en lov som kan ha et varig stempel, og det er det vi søker. Derfor kan jeg ikke stå her og love at den skal være ferdig våren 2020, men jeg skal love at den blir ferdig i løpet av 2020. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6. Etter ønske fra justiskomiteen vil presidenten ordne debatten slik: 5 minutter til hver partigruppe og

i realiteten bygges om uten at man først har sett på det samlede behovet. Dette planlegges uten at man har sett på politikraften som er igjen i distriktene i Norge, uten at man har sett på hvordan dette påvirker tilfanget av saker i domstolene, og uten at man sikrer at kriminalomsorgen er dimensjonert til å ta imot dem som blir dømt og gi dem den oppfølgingen de trenger for å kunne bli våre gode naboer etter endt straff. Endringene i én etat påvirker de andre, men likevel ønsker man ikke å se reformene i tilstrekkelig sammenheng eller utredet skikkelig i dybden. Gro Harlem Brundtland sa en gang: «Alt henger sammen med alt», og dette gjelder bestemt også i straffesakskjeden. Det blir spesielt alvorlig når reformer gjennomføres uten at de er fulgt opp med tilstrekkelige ressurser, noe som har fått store konsekvenser for det økonomiske handlingsrommet i politidistriktene og et tilstedeværende lokalt politi over hele landet. Kriminalomsorgen og domstolene har fått store utfordringer som følge av økonomiske kutt gjennom avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Domstoladministrasjonen har over flere år informert om den vanskelige økonomiske situasjonen de er i. Dels har ABE-kuttene som er gjennomført, ført til at stillinger som har blitt ledige, ikke har blitt bemannet opp, og dels har nødvendig modernisering av domstolene i form av økt bruk av ny teknologi,

Problematikken ble videre fulgt opp i NIMs årsmelding for 2018, som understreker at kravet til uavhengige domstoler kan legge føringer for finansiering av domstolene, og hvordan systemet for dette bør innrettes. Det er dette en utredning, slik det foreslås i dette Dokument 8-forslaget, kan hjelpe oss å sikre samfunnet mot. Justisministeren ser ikke behov for at et slikt utvalg opprettes. Han som vil gi god oversikt over sammenhengen mellom ressurssituasjonen og framtidig kompetansebehov i politiet, påtalemyndigheten, domstol og kriminalomsorg – prosesser som ingen utenfor regjeringspartiene og departementene vet noe om hvordan gjennomføres, eller hvilke faktorer som vil vektlegges spesielt. Arbeiderpartiet er tydelig på vi støtter forslaget som her er framsatt. Straffesakskjeden må ses i sammenheng, og et utvalg som virkelig ser på helheten, helheten, ikke bare deler den, vil ha stor verdi. Det er behov for en slik utredning både for å sikre oss mot at regjeringen ikke bare fokuserer på å spare penger som kan brukes til ideologiske skattekutt, og for rett og slett å sikre at landets innbyggere får den hjelpen, den tryggheten og den sikkerheten de har behov for og ikke minst fortjener. Regjeringa gjennomfører viktige endringar i justissektoren. Politireforma er fortjener. Regjeringa gjennomfører viktige endringar i justissektoren. Politireforma er kanskje den viktigaste og mest nødvendige reforma av norsk politi i historia. Reforma trengst for å tilpasse politiet til eit nytt kriminalitetsbilde. Vi gjer òg eit arbeid i kriminalomsorga. byggjer opp kapasiteten og utvidar moglegheitene for alternativ soning på behandlingsinstitusjon, heimesoning og bøteteneste. Vi sender rekordmange utanlandske kriminelle til soning i heimlandet sitt. Alt dette har ført til at fengselskøane no nærmast er vekke. Fleire domstolar har frivillig valt å slå seg i hop for å levere betre tenester. Ein politisk uavhengig domstolskommisjon har nyleg levert ei utgreiing med forslag til fleire samanslåingar. Regjeringa har ho til behandling og ser på kva vi kan gjere for å fordele sakene betre, behandle dei raskare og auke rettstryggleiken, noko dei frivillige samanslåingane viser er mogleg å oppnå. Forslagsstillarane meiner regjeringa ikkje ser endringane som vert gjorde, i samanheng, og vil setje ned nok eit utval for å vurdere balansen i straffesakskjeda. For det fyrste er det justisministeren sitt daglege ansvar å sørgje for balanse mellom politi, domstolar og kriminalomsorg. Vi treng ikkje eit utval som skal vurdere dette. Skal vi setje ned utval for alle problemstillingar som måtte dukke opp, gjer vi våre øvste politisk ansvarlege meir eller mindre arbeidslause. Då lagar vi oss i so fall eit nytt politisk system. For det andre registrerer eg svært mange saker der opposisjonen ønskjer å setje ned utval for både det eine og det andre. Kanskje er det på tide at enkelte politikarar no roar litt ned på denne Eit utval består av dei fremste ekspertane i landet på sine bestemde område. Vi må bruke ekspertane våre klokt, og vi må bruke dei der dei verkeleg trengst, sånn som f.eks. ved vurderingar av korleis vi kan oppnå betre sakshandsaming og auka rettstryggleik. For det tredje vert det litt rart å setje ned eit utval før politireforma i det heile er gjennomført. Vi må bruke ressursane våre godt, og som politikarar bør vi òg kanskje vise at vi kan stå i viktige endringar gjennom heile løpet. Å førebyggje og unngå lovbrot er

Vidare handlar det sjølvsagt om å sikre gode og rettsikre prosessar og om at rettssaker skal gjennomførast innan rimeleg tid, m.a. for at det ikkje skal bli gjeve strafferabatt på grunn av lang tidsbruk. Soninga må også skje innan rimeleg tid både for den dømte sin del og for dei som har vore ramma av lovbrotet. For å oppnå alt dette er det mange aktørar som skal gjera ein god jobb til rett tid.

Regjeringa ber om tolmod, fordi dei, slik vi forstår det, ventar på at proppen i politiet snart skal lausne når det gjeld straffesaksrestansane. Samtidig som dei såleis ventar på at politiet skal kunne levere endå fleire straffesaker til domstolane, har dei bedt om ein rapport frå Domstolkommisjonen der strukturendringar var ein del av mandatet. Uttaler frå fleire representantar frå regjeringspartia tyder på at regjeringa kjem med forslag om å leggje ned mange domstolar. Til alt overmål planlegg regjeringspartia òg ei reform i kriminalomsorga. Om denne liknar den førre reforma som regjeringa gjorde framlegg om, er det m.a. snakk om å sentralisere leiinga ved fengsla. I mellomtida legg dei ned ei rekkje små fengsel og grunngjev dette med at det er for mange soningsplassar i landet,

negativ balanse, i den forstand at alle dei tre etatane politi, domstolar og kriminalomsorga har for lite ressursar. Når problema til domstolane og kriminalomsorga ikkje er større enn dei er per no, er det fordi denne reformavhengige proppen i politiet framleis er der. Den dagen denne proppen lausnar og sakene går unna i den farten som regjeringa håper på etter ei gedigen reform, vil det bli synleggjort i endå større grad at domstolane og kriminalomsorga er Senterpartiet er overraska over mangelen på heilskapssyn hos regjeringspartia. Regjeringspartia presterer i reform etter reform – truleg med vilje, eller i beste fall ubevisst – å oversjå eller undervurdere samfunnsøkonomiske konsekvensar ved å leggje ned offentlege tenester i store delar av landet. Slik lagar dei store avstandar mellom innbyggjarane og offentlege tenester, samtidig som dei skryt av innsparingspotensial og effektivisering. Men å flytte

tener ikkje det til å sikre og styrkje verdiskapinga i alle delar av landet, ei verdiskaping som jo skal finansiere velferdsstaten vår også i åra som kjem. Vi i Senterpartiet meiner det er viktig å sjå ulike reformer i samanheng. Ein må òg sjå ressursbehovet til dei ulike ledda i straffesakskjeda i samanheng. Det er avgjerande viktig at vi får ein gjennomgang som ikkje legg føringar om at

gir oss en mulighet til å ha et litt større blikk på rettsstaten Norge. Og selv om jeg representerer opposisjonen og det er justisministeren som nå er ansvarlig for rettsstaten, skal jeg passe meg veldig for å snakke den for mye ned. Det er faktisk mye bra i rettsstaten Norge. Det er lav kriminalitet sammenlignet med hvilket som helst annet land. Det er tillit i befolkningen til systemene. Det er rettssikkerhet. Vi har til og med ordninger med fri rettshjelp, som vi fra tid til annen kritiserer ikke er gode nok, men vi har nå disse ordningene likevel. Det er rett og slett ikke så galt, dette. Det er grunnleggende verdier ved det norske samfunn, som gjør at vi også har en rettsstat som faktisk fungerer ganske bra. Det er svakheter, definitivt. Vi har et kriminalitetsbilde som er i endring, og som vi ikke helt greier å rå med. Det er en voldtektsproblematikk. Det er en endring. Vi ser at et underbemannet politi definitivt ikke greier å omstille seg til det nye kriminalitetsbildet. Det er en stor utfordring i rettsstaten Norge. Vi ser at vi har en domstolstruktur i Norge som er betydelig underfinansiert og hvor saker hoper seg opp. Den aller verste krisen finner vi kanskje i kriminalomsorgen vår med få ansatte, svekket rehabiliteringskapasitet og innelåsing. Og som Sivilombudsmannen rapporterte til Stortinget nylig, er det stor risiko for ulovlig isolasjon – med andre ord brudd på torturforbudet. Der har vi virkelig noen utfordringer. Så det er Problemet som Senterpartiet peker på i dette forslaget, er at når Stortinget diskuterer rettsstatsutfordringer, diskuterer vi det stykkevis og delt. Det er fragmentariske debatter. Den ene dagen diskuterer vi politiet, den andre dagen domstolene, den tredje dagen fengslene. Så diskuterer vi menneskerettigheter innimellom. Denne fragmentariske forhindrer Stortinget fra å se dette i en større sammenheng, forhindrer oss fra å trekke opp visjoner og lage mer langsiktige planer. Et eksempel på det er måten regjeringen f.eks. har organisert debatten om domstoler på. Der skal vi først diskutere domstolstruktur, og så skal vi i en annen debatt senere diskutere innholdet i domstolene – en veldig fragmentarisk tilnærming til dette kompliserte problemet. Jeg mener at det er helt avgjørende at Stortinget innimellom får anledning til å diskutere helheten og også hvordan de ulike elementene i rettsstaten henger sammen, og hvordan de påvirker hverandre. Ved måten disse debattene i dag er organisert på,

veldig fort blir redusert til en debatt om økonomi og geografi istedenfor at den kunne vært en viktig og visjonær debatt om hvordan vi skal møte morgendagens kriminalitetsutvikling. Jeg støtter helhjertet forslaget fra Senterpartiet. Det gir oss en anledning til å ha et større og mer helhetlig blikk. kriminalitetsutvikling. Jeg støtter helhjertet forslaget fra Senterpartiet. Det gir oss en anledning til å ha et større og mer helhetlig blikk. Justisministeren har bare i én bisetning i brevet sitt til komiteen kommet oss i møte hvor han skriver at han vil ha en helhetlig tilnærming til dette. Samtidig ser vi nå at regjeringspartiene fortsetter med å ville nærme seg disse problemstillingene rundt rettsstat og istedenfor å invitere oss til store og overordnede debatter, som jeg tror både Norge og rettsstaten ville vært godt tjent med. Kristelig Folkeparti er opptatt av at straffesakskjeden ses i sammenheng, og vi har lenge tatt til orde for og jobbet for at det økonomiske handlingsrommet langs hele kjeden skal styrkes, slik at kvalitet og effektivitet blir opprettholdt. For Kristelig Folkepartis del kan vi vise til at vi allerede har viktige budsjettseire på dette området, endog før vi ble medlem av regjeringen, f.eks. gjennom styrking av domstolene. Nå er jeg glad for at vi kan fortsette arbeidet i regjering med å styrke straffesakskjeden ved de prosessene som nå pågår. Kristelig Folkeparti stiller seg bak omtalen som Høyre og Fremskrittspartiet har i saken angående intensjonen til forslagsstillerne. Vi er helt enig i at det er nødvendig med en helhetlig tilnærming for å sikre at aktørene i straffesakskjeden ses i sammenheng. Men jeg vil også vise til regjeringspartienes merknader i saken, hvor det presiseres at det allerede pågår prosesser som gir en oversikt over sammenhengene mellom ressurssituasjon og framtidig kompetansebehov i politiet, hos påtalemyndigheten, i domstolen og i kriminalomsorgen. Statsråden gir en grundig tilbakemelding til komiteen gjennom et svarbrev hvor han slår fast at departementet for å implementere verktøy, metoder og oppgaver, og at dette vil bidra til en styrking av de ulike aktørene i straffesakskjeden. Vi har fått en tilbakemelding til Stortinget som sier at departementet allerede, som sagt, er i gang med prosessene som skal til for at vi får et dekkende kunnskapsgrunnlag om situasjonsbildet i straffesakskjeden. Intensjonen i Kristelig Folkeparti er det viktig at politiet får tilført de ressursene de må ha, at behovene skal dekkes i kriminalomsorgen, og at soningskøene fortsatt skal reduseres. Det vil vi kjempe for. Kristelig Folkeparti mener derfor at det ikke er hensiktsmessig å bruke ressurser på et offentlig utvalg for en utredning på nåværende tidspunkt. I denne saken er utfordringen til statsråden handling og ledelse

Jeg støtter derfor forslagsstillernes intensjon om en helhetlig tilnærming i straffesakskjeden. Det er nettopp det Justisdepartementet jobber med til daglig. Men jeg finner det ikke nødvendig og hensiktsmessig å bruke ressurser på å nedsette et offentlig utvalg for en helhetlig gjennomgang av straffesakskjeden på det nåværende tidspunkt. Det foregår i dag flere prosesser som gjør det mulig for oss å se utviklingen av behovet i politi- og påtalemyndighet, domstolene og kriminalomsorgen i en sammenheng. Jeg frykter at et nytt utvalg som skal nedsettes nå og se dette i sammenheng, bare vil forsinke de nødvendige endringene som vi er nødt til gjøre. Vi vet allerede at kriminaliteten er i endring. Vi vet at globalisering og teknologisk utvikling har ført til en mer organisert og grenseløs kriminalitet. Selv om det i flere har år vært en nedgang i den registrerte kriminaliteten, er den kriminaliteten som avdekkes i dag, mer alvorlig og mer komplisert å etterforske. Målrettede tiltak fra myndighetene har bidratt til å avdekke mørketall, og en økning i anmeldte seksuallovbrudd og saker som omhandler vold i nære relasjoner, er å ta tak i, som vi ikke var gode nok til før. Endringene er ressurskrevende og utfordrer til daglig politiets kapasitet. I saker med særskilte frister, som voldtektssaker, tar det i dag for lang tid fra en anmeldelse foreligger, til saken er etterforsket. Kapasiteten og effektiviteten i straffesaksbehandlingen i og jeg har gitt klare føringer om at straffesaksbehandlingen skal prioriteres. Til tross for utfordringene politiet står overfor i straffesaksbehandlingen, blir straffesakene i dag bedre – av bedre kvalitet og ikke minst jevnere etterforsket over hele landet. Det er ikke slik at spisskompetansen bare befinner seg i de store byene. Nå er det også spisskompetanse tilgjengelig både Fræna. Kvaliteten i etterforskningen er høyt prioritert i politiet. Blant annet gjennom etterforskningsløftet arbeides det nå for å oppnå en høyere oppklaringsprosent, redusert saksbehandlingstid og færre restanser. Og dette koster penger. Politiet er derfor styrket betraktelig Politiets budsjett er økt med 4,4 mrd. kr reelt siden 2013, og 3,3 mrd. kr av det er på politiets driftsbudsjett. For å gi politidistriktene større handlingsrom i 2020 er det også foreslått bevilget 83 mill. kr til politidistriktene som skal gå til styrking av etterforskningskapasitet og styrking av etterforskningen, og det kommer i tillegg til over 100 som skal gå til å ansette flere politifolk. Ikke bare det, vi erkjenner også at 2019 har vært et spesielt etterforskningsår. Både kidnappingssaker og store nettovergrepssaker har bidratt til et ekstra utfordrende år, og derfor har regjeringen i salderingen kommet med en ytterligere bevilgning på 30

og heller foreslå et nytt utvalg fordi man ikke ønsker å ta tak i de problemstillingene som er der nå, fordi det kan være politisk kostbart. Når det gjelder fengslene, er det ikke noen tvil om at fengslene kommer til å endres, når vi ser at vinningskriminaliteten går ned med 36 pst., mens seksuallovbrudd mot personer under 16 år har gått opp med 162 pst. Det er stor forskjell på et høysikkerhetsfengsel og et lavsikkerhetsfengsel, og vi er nødt til å tilpasse fengslene til det vi tror

Statsråden var i innlegget sitt bekymra for at såkalla nødvendige endringar blir forseinka. Vi i Senterpartiet vil opplagt forseinka endringar vi meiner er dårlege, men bakgrunnen for forslaget vårt no er eit opplagt behov for at reformer blir sett mykje meir i samanheng. I brev til komiteen av 14. oktober skreiv statsråden at det allereie går føre seg «prosesser som gir oss oversikt over sammenhengen mellom ressurssituasjonen og fremtidig kompetansebehov i politiet og påtalemyndigheten, domstolene og

type kriminalitet som skjer, og hva slags type kriminalitet vi kan forvente skal skje. Det er nettopp derfor vi har satt i gang disse prosessene i kriminalomsorgen: for at vi skal tilpasse fengselskapasiteten sånn at vi er sikre på at når pedofile blir tatt, skal de bli satt i et høysikkerhetsfengsel og ikke bare gå rundt i åpen soning. Eg takkar for eit engasjert svar. Korleis vurderer justisministeren det ressursmessige forholdet mellom politiet og

Jeg tror ikke man løser alle problemstillinger ved å lage ulike budsjettposter, f.eks. for hvem som er påtaleadvokater, og hvem som skal være politi. Det må være slik at den politimesteren som får tildelt et budsjett, må kunne forvalte dette på en sånn måte at hans eller hennes distrikt får en nedbygging av straffesaker. Vi er klar over at det at det å bare tilføre penger til politiet nå for å ansette flere politifolk gjennom øremerking, er ikke godt nok. Derfor har regjeringen tatt konsekvensene av det og også foreslått 83 mill. kr til styrking av etterforskningssiden, som blir gitt til politidistriktene, slik at politimestrene, som kjenner forholdene best, i motsetning til det vi gjør i Oslo, kan fordele de pengene, enten det da er å ansette flere påtalejurister eller å ansette flere etterforskere. Jeg tror de som er nærmest brukerne, kjenner situasjonen best. Eg oppfatta ikkje at eg fekk svar på akkurat spørsmålet om denne proppen som losnar, for det i alle fall vi oppfattar når vi høyrer dei varsla som no kjem frå politidistrikta, er at straffesaksrestansane har bygd seg opp mykje – politiet slit ordentleg – samtidig som det skal leggjast ned både domstolar og både domstolar og fengsel fordi vi ikkje har nok saker. Spørsmålet er eigentleg: Den dagen det plutseleg losnar ein propp og politiet leverer langt fleire saker – om vi kan gå ut frå at effektiviteten kjem opp etter kvart – vil ikkje det føre til at domstolane kjem til å ha behov for ressursar og plass til å ta unna desse sakene, og likeins at ein har fengselsplassar til dei som eventuelt skal sone på grunn av desse straffesakene? Jeg tror representanten har litt for store forhåpninger til hvor stor den

justissektoren gjer at ein stadig større del av utgiftene blir lagde over på næringsliv og innbyggjararar, som er nøydde til å reise mykje lenger for å få tak i både advokattenester, for å skaffe seg pass, for å møte opp til rettssak eller Eg kunne tenkje meg å høyre frå statsråden om han meiner det er greitt at utgifter som han sjølv forventar å spare inn på justisbudsjettet, i staden blir lagde over på næringslivet og innbyggjarane? Nå har representanten konkludert med at vi skal legge ned rettssaler. Det har ikke regjeringen gjort. Vi har mottatt kommisjonens arbeid, et forslag til hvordan man skal innrette domstolene i Norge. Det er et forslag vi tar oss tid til å se nøye på, for den kommisjonen har også mange andre viktige elementer i seg. De tar opp viktige problemstillinger som at kvaliteten må bli bedre, og de tar opp viktige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

og Framstegspartiet i den saka vi behandlar i dag, står det følgjande. «Disse medlemmer viser til at omtrent hver eneste NOU enten skytes ned før arbeidet er påbegynt, mens arbeidet pågår, eller før politikerne har lest en setning av utredningen. Disse medlemmer finner det paradoksalt at de samme partiene likevel vil bestille nye utredninger. Disse medlemmer mener en mer seriøs behandling av eksisterende NOUer vil kunne gi svar på mange av spørsmålene som forslagsstillerne ønsker belyst i dette forslaget.» Eg vil bruke anledninga til å kome med nokre råd om korleis regjeringspartia kan gå fram for å redusere risikoen for at utvalsrapportar blir skotne ned. Mandatet og samansetjinga til utvala som blir sette ned, har nemleg stor betyding for resultatet. Når det gjeld mandat, går det ikkje an at regjeringa legg sterke føringar om eit visst resultat og deretter påstår at dei sjølve ikkje har teke stilling til konklusjonen, når utvalet etter kvart legg fram rapporten sin i tråd med mandatet som regjeringa har laga. Viss ein ønskjer eit ope resultat, legg ein rett og slett ikkje denne typen føringar i mandatet. At det er ulike synspunkt representert i eit utval, er ein styrke, ikkje Det er viktig at ulike synspunkt får bryne seg på kvarandre. Slik får vi fram gode vurderingar for og imot, og ikkje minst gjev dette eit betre grunnlag for å kome fram til gode løysingar. Utan meiningsbryting kan analysen bli for einsidig, sjølv om dei som sit i utvalet, er aldri så flinke. Dessverre har vi sett at regjeringa ikkje har vore særleg god til å sikre brei representasjon, f.eks. frå distrikta. Høgres eigen distrikta. Høgres eigen statsminister kom nyleg med følgjande kloke utsegn: «Både bosted og arbeidsmiljø påvirker perspektiver og kunnskapstilfang, dette gjelder også for fageksperter. Regjeringen må derfor bli flinkere til å hente faglig ekspertise fra miljøer utenfor hovedstadsregionen.» Eg håpar at ein ved framtidige utgreiingar tek innvendingane våre til følgje. Det er betre med utval som deler seg i innstillinga si, og som grunngjev dei ulike synspunkta grundig og godt, enn at dei kjem med einsidige tilnærmingar. I tillegg bør ein unngå føringar om at det skal gjerast sentraliserande strukturendringar allereie i mandatet til utval som blir

ikke kan ha

Stortinget nå før jul. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7. Stortinget er klar til å gå til votering. Under debatten er det satt frem i alt 32 forslag. Det er forslag nr. 1, fra Karin Andersen på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 2–5, fra Karin Andersen på vegne av Senterpartiet og

alt 24 forslag. Det er forslagene nr. 1–12, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 13–15, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 16–18, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbeiderpartiet forslagene nr. 19 og 20, fra Per Olaf Lundteigen på vegne av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 21 og 22, fra Solfrid Lerbrekk på vegne av Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 23, fra Per Olaf Lundteigen på vegne av Senterpartiet forslag nr. 24, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt